Det må vi se på, og vi

For Finnmark fylke: Willy Pedersen 6.–8. mars For Hordaland fylke: Torkil Åmland 6.–8. mars For Oppland fylke: Johannes Rindal 6.–8. mars For Oslo: Ola Elvestuen 1. mars og inntil videre For Sogn og Fjordane fylke: Sonja Edvardsen 1. mars og inntil videre For Telemark fylke: Hanne Thürmer 6.–9. mars For Sør-Trøndelag fylke: Hallgeir Bremnes 6.–8. mars Ola Elvestuen og Sonja Edvardsen er til stede og vil ta sete. Representanten Borghild Tenden vil framsette et representantforslag. Jeg har den glede å fremme et representantforslag om å etablere en ordning med kvalifiseringsstøtte fra forskningsinstitutter som søker om statlig basisfinansiering. Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten informere om at møtet fortsetter utover kl. 16, om nødvendig.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

første saksordførerverv, så jeg vil takke en samlet komité for et godt samarbeid og en svært god tone i arbeidet. I forslaget fremmes det en serie forslag som omfatter både døgnhvileplasser, etterutdanning for yrkessjåfører og glattkjøringskurs for utenlandske sjåfører.

Transportnæringen er viktig for næringslivet, og vi vet samtidig at bransjen har veien som arbeidsplass. Det er derfor åpenbart at veistandard og ikke minst kjøretøy og sjåfør er av tilfredsstillende kaliber. Det må i denne sammenheng sies at i alle fall føler at arbeid knyttet til utenlandske kjøretøy på norske veier, i den senere tid har fått et sterkt fokus. Det er positivt. Etter besøk på kontrollstasjoner, senest på komiteens reise i Hedmark i forrige uke, ser vi at arbeidet med å kontrollere i henhold til sikkerhet og konkurransevilkår er prioritert, og det er veldig betryggende.

gjelder de sju forslagene som er blitt satt fram, vil Høyre støtte to av disse. Nesten alle yrkessjåfører som kjører lastebil over 3,5 tonn og busser som er registrert for flere enn tolv personer, må forholde seg til kjøre- og hviletidsbestemmelser. Disse spesifiserer bl.a. at det etter en maksimal kjøretid på 4,5 time

Det er viktig med god etterutdanning for yrkessjåfører. Det er i dag innført krav om periodisk etterutdanning av yrkessjåfører hvert femte år, i henhold til EUs sjåførdirektiv. Direktivet er derimot åpent for tolkning av hvordan etterutdanningen skal legges opp, og dette gjenspeiler også kostnadene for norsk transportnæring. Ifølge Norsk Yrkessjåfør Allianse er kostnadene per sjåfør i Norge mellom 10 000 og 18 000 kr. Ser man til Danmark, ligger kostnadene på 5 000 kr per sjåfør. Høyre mener det er nødvendig for bransjen at vi utreder modeller for å redusere kostnadene til etterutdanning. Dette er i tråd med hva f.eks. NHO Transport pekte på under høringen i komiteen.

en radikal bedring av yrkessjåførenes hverdag at antallet trafikkdrepte og antallet hardt skadde i trafikken nå er historisk lavt. Men da er det for oss vanskelig å forstå at et av forslagene som skal bedre yrkessjåførenes hverdag, skal være å fjerne prikkbelastningsordninga, en ordning som bidrar til å redde liv ved at flere følger trafikkreglene, og som ifølge både SINTEF og Trygg Det er Fremskrittspartiet som fremmer dette forslaget i representantforslaget sitt, og det mest skremmende, slik vi ser det, er at Fremskrittspartiet skriver at «dagens ordning for prikkbelastning gjør at små feil får uforholdsmessig store følger for sjåførene». Det skremmer oss når det å kjøre i godt over 70 km/t i en 60-sone karakteriseres som en «liten feil», eller når det å kjøre i over 90 km/t i en 70-sone er en liten feil. Slik kunne jeg gått igjennom hele oversikten over hvilke overtredelser som gir prikkbelastning. Det som fra Fremskrittspartiet framstilles som «små feil», er grove overtredelser av vegtrafikkloven og kan være forskjellen på liv og død. Så hvordan det å fjerne prikkbelastningsordningen da skal bedre yrkessjåførenes hverdag, hverdag, er for oss en gåte. Arbeiderpartiet er enig i fokuset på døgnhvileplasser og vintervedlikehold, og vi viser i den sammenheng til svaret fra statsråden. Men vi vil også holde fokuset på at det vil bli åpnet flere døgnhvileplasser, og selv vet jeg at det skal åpnes en ny døgnhvileplass i Nord-Trøndelag allerede nå i vår. Vi viser også til at Statens vegvesen har varslet skjerping når det gjelder vinterberedskap, både på vedlikehold, på stenging av veger og på det å ta i bruk andre virkemidler som Statens vegvesen allerede har. Det som har fått mest fokus under komiteens arbeid med dette representantforslaget, har vært utenlandske trailere på norske vinterveger. Fra Arbeiderpartiet vil jeg presisere at både norske og utenlandske trailere er innblandet i ulykker på norske og at tiltak som bedrer sikkerheten for den ene gruppa, også bedrer sikkerheten for den andre. Selv har jeg hatt gleden av å være med utekontrollgruppa i Statens vegvesen i Nord-Trøndelag en dag på kontroll i Indre Namdalen, og det var en dag med mange nyttige innspill og mye lærdom. Det som kommer fram som det aller viktigste, må være følgende: For det første handler det om å informere aktivt i utlandet om de norske kravene. For det er ofte ikke vrangvilje som gjør at utenlandske sjåfører ikke oppfyller norske krav – det kan være at man ikke vet. Det handler også om å ansvarliggjøre vareeierne, eller dem som sender eller mottar godset i Norge. De har et ansvar for den transporten som de genererer på norske veger. Det må vi være tydeligere på. Så handler det om å få på plass bedre og tydeligere krav til dekkutrustning, særlig på vinteren. Det hører vi tydelig fra dem som kontrollerer – det hjelper ikke om man oppfyller dagens krav, de er ikke gode nok. Så om man reiser videre over grensa og er kontrollert og funnet i orden, kan man likevel stå fast i en bakke lenger nord i landet. Og det handler om å se på kravene til kjetting. Det kan ikke være nok at kjettingen bare skal passe til hjulene; den Og så handler det om å øke kontrollvirksomheten ytterligere. For den er allerede økt, men vi vil for vår del øke den ytterligere. Disse tiltakene vil øke sikkerheten på norske veger. Det vil gjøre både norske og utenlandske vogntog sikrere, og det vil gjøre at konkurransen i næringa blir likere, og den vil i hvert fall ikke forverres fordi noen bruker dårligere utstyr. Det gjelder både norske og utenlandske firmaer. Men for oss handler en bedre hverdag for yrkessjåførene også om tiltak mot sosial dumping, om å ha fokus på tariffavtaler og lønns- og arbeidsvilkår. Dette har ikke Fremskrittspartiet nevnt med ett ord i sitt representantforslag, og

vært en realitet. Gjennom å ha sittet i transportkomiteen siden 2005 har jeg truffet utrolig mange dyktige yrkessjåfører. De har gitt meg tilbakemeldinger om hva slags hverdag de har bak rattet på vogntogene, og hvor stor del av hverdagen som går med til å kjøre på elendige veier. Men likevel er de stolte av yrket sitt og setter sin ære i at bilen skal være både ren og i forskriftsmessig stand. Når disse setter sin ære skal være både ren og i forskriftsmessig stand. Når disse setter sin ære i bilen og måten de oppfører seg på på veien, skjønner jeg godt at de også forventer at Stortinget og staten tar sitt ansvar og sørger for at man tilrettelegger for fysiske tiltak som gjør at sjåførene har mulighet til å følge opp alle de lover og forskrifter som vi vedtar. Én av de virkelig håpløse tingene er døgnhvileplasser. Jeg registrerer at statsråden i svaret til komiteen har lovet at Statens vegvesen tidlig i 2012 skal ferdigstille en plan for døgnhvileplasser. I dag går vi inn i årets tredje måned, og foreløpig har jeg ikke sett noe til planen, men det er kanskje fortsatt veldig tidlig på året for statsråden. De som er på veien og blir stoppet og bøtelagt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forventer at det må bli slutt på venting. De har ikke tid til å vente, de trenger rasteplasser nå – ikke om fem eller ti år. Så jeg håper virkelig at statsråd Kleppa setter inn et ekstra gir for å få etablert døgnhvileplasser i et ekstra gir for å få etablert døgnhvileplasser i stort tempo. En yrkessjåfør må følge veitrafikkloven og forsikre seg om at han holder fartsgrenser, forholder seg til kjøre- og hviletidsbestemmeler og ikke minst til at bilen er i forskriftsmessig stand. Men når det kommer til staten, har vi sørget for å fraskrive oss ethvert ansvar. Det er uansett sjåføren som får skylden. Sånn kan det ikke fortsette, og derfor bør det opprettes et transporttilsyn som gis rett til å kunne sanksjonere også overfor Statens vegvesen når det gjelder bl.a. veistandard, døgnhvileplasser osv. Én av de store utfordringene vi ser på veinettet, er at det i stadig større grad ruller inn utenlandske vogntog, som spesielt i vintermånedene har kjempestore problemer på norske vinterveier og norsk vinterføre. Dette skaper store problemer ved at veier er stengt fordi mange av de utenlandske vogntogene mangler riktig dekktype, kjettinger, og sjåføren har ikke erfaring med å kjøre på vinterveier med så dårlig standard. standard. Det har vi dessverre fått en rekke eksempler på. Jeg vet at man forsøker å fremstille det som om det ikke er flere utenlandske enn norske sjåfører som har problemer, men en undersøkelse bl.a. i Valdres av 200 vogntog viste at hele 75 pst. av de vogntogene som måtte berges, var utenlandske. Fremskrittspartiet mener derfor at denne undersøkelsen, sammen med flere andre, klart viser at vi har store utfordringer med utenlandske vogntog – utfordringer som vi må gjøre noe med. Det handler både om trafikksikkerheten til disse sjåførene som ikke kan kjøre på vinterføre, og ikke minst for alle andre som kjører på de samme veiene, og som risikerer å bli møtt av et vogntog på 40 eller 50 tonn, som ikke er utstyrt for ferdsel på norske vinterveier. Derfor er jeg veldig glad for at statsråden har sagt klart ifra at man skal øke antallet kontroller. Med alt dette som bakteppe er det derfor litt skuffende at ingen av de andre partiene

er den eneste yrkesgruppen som, hvis man gjør tre feil – tre feil – skal miste retten til levebrødet sitt. Alle andre yrkesgrupper forholder seg til arbeidsmiljøloven. Det gjør denne yrkesgruppen så lenge de er inne på terminalen, så lenge det er i arbeidsforholdet, men i det da må de ikke forholde seg til den samme arbeidsmiljøloven som alle andre. Konsekvensen er at denne gruppen mister jobben, mister livsgrunnlaget sitt og havner på sosialkontoret. Men hvis en lege gjør én feil, to feil eller tre feil, får han stort sett bare en påpakning – og mister ikke jobben. Representanten

For det fyrste er vi på ulikt vis i gang med fleire av dei forslaga som er sette fram – nokre er òg innførde, f.eks. 15 års administrativ gyldigheit for førarkort. Til forslaget om

Men eg er einig med komiteen i at det her er behov for å gjera meir, og Statens vegvesen kjem til å følgja opp dette med ein eigen plan. Til forslaget om etterutdanning vil eg berre seia at krava til etterutdanning tok til å gjelda for dei fyrste sjåførane i 2011. Det vil nødvendigvis ta noko tid før ordninga set seg. Eg tilrår difor at ein får noka erfaring med etterutdanninga før ein eventuelt vurderer alternative modellar. Til prikkbelasting og andre offentlege sanksjonar: Det er mi bestemte meining at prikkordninga reddar liv. Det gjer at fleire følgjer trafikkreglane. Det gjev eit meir effektivt reaksjonssystem overfor dei som bryt reglane. Det er òg forskingsresultat som understrekar nettopp dette. Fjerning av prikkordninga vil medføra at fleire blir drepne og hardt skadde i trafikken. Eg at denne ordninga blir fjerna. No har vi nyleg skjerpa denne ordninga. Frå 1. juli i fjor vart det ei kraftig innskjerping for ferske sjåførar. Det er sterkt å høyra UP-Karlsen som seier at det men han ser likevel heilt tydeleg at denne innskjerpinga fungerer, særleg overfor ungdomsulukker – talet på ungdomsulukker i trafikken har gått markert ned. Både komiteen og forslagsstillarane og departementet og Statens vegvesen er opptekne av kva vi gjer i forhold til vintervedlikehald og trailerar på norske vintervegar. Det er dei som køyrer, som her har hovudansvaret, anten dei er norske eller utanlandske. Det er viktig å vera klar over kva eit godt veggrep betyr. Dårlege dekk, manglande kjettingar, ueigna køyretøykombinasjonar, uerfarne sjåførar – alt dette spelar inn. Det er på det reine at utanlandske køyretøy er overrepresenterte i slike hendingar, og det er òg difor vi har teke spesielle grep overfor utanlandske sjåførar – eg tenkjer både på språk og på opplysing av ulike slag, men så har vi i den seinare tida skjerpa både kontroll, vedlikehald og beredskap på vegen. Statens vegvesen stiller med bergingsbil på utsette punkt, vi har gjeve ein heimel for å kunna fjerna køyretøy frå vegen,

kjøre på norske vinterveier. Siden statsråden sier hun er opptatt av trafikksikkerhet, har jeg lyst til å utfordre henne direkte: Vil statsråden nå sørge for at alle de bilene som kjører på vegne av Posten Norge, har gummi som er egnet til å kjøre på norske vinterveier i vintersesongen? Jeg håper at statsråden kan være klar og tydelig nå, norske vinterveier, ville blitt borte. Eg svarte i går, og eg kan gjenta det i dag, at eg meiner at Posten med sine underselskap og Posten som eit statleg eigd selskap sjølvsagt skal halda norsk regelverk og vera oppteken av gå føre som eit godt eksempel. Så gjev dette meg moglegheit til å seia at Statens vegvesen har eit forslag til høyring om påbod om vinterdekk på norske vegar. Dette spørsmålet gjeld fleire enn Posten sine bilar. Men lat meg understreka: Eg skal følgja opp overfor Posten, men eg ser fram til høyringa som no går, og moglegheita her for å innføra eit påbod om
Likebehandling mellom aktørene i bransjen er viktig, og det er bakgrunnen for at Høyre for mange år siden foreslo å innføre en obligatorisk AutoPASS-brikke i store kjøretøy. Det er grunnleggende at man har like konkurransevilkår i en velfungerende markedsøkonomi. Jeg tror det var derfor en samlet komité kom fram til at man skulle innføre dette fra sommeren Nå viser det seg at statsråden ikke får innført dette fra sommeren. Det synes Høyre er svært uheldig, og spørsmålet mitt blir hvorfor statsråden ønsker å videreføre en ordning som faktisk svekker konkurransekraften til den norske transportnæringen. Eg er svært utolmodig etter å få innført

utanlandske transportørar og andre og fremja konkurranse på like vilkår i norsk og utanlandsk transportnæring. Så har det seg slik at dette har teke noko meir tid enn eg rekna med i utgangspunktet. Der er òg ei høyring som skal føregå, det oppdraget er gjeve. Vi skal fremja eit

i forhold til de særegne forhold som gjelder på det norske veinettet på vinterstid? Det er slik at på den eine sida må vi ha det same regelverket i botn – det tilseier vår tilknyting til til EØS – men på den andre sida er ikkje det til hinder for at vi kan gjera meir enn det vi har gjort på både kontroll-, vedlikehald-, og opplysningssida. Det er jo difor vi òg no seinast i vinter har skjerpa både vedlikehaldet og beredskapen, dersom ein situasjon skulle oppstå, endra lovverket – gjeve heimel for å fjerna tunge køyretøy som er til hinder for trafikken. Vi har òg no sett i gang ei utgreiing for å sjå på om vi kan gjera kjøparar av transporttenester meir ansvarlege. Vi trur det

og bedre vinterdrift av veier er et av tiltakene. Jeg vil si litt om tungtransport og piggdekk. Det påvirker i aller høyeste grad trafikksikkerhet og yrkessjåførenes hverdag. Vi har mye vinter i nord. Denne vinteren har så langt vært preget av mye isete og sporete veier, og det er verre enn gode vinterveier. En undersøkelse viser at stopplengden for tunge kjøretøy reduseres betraktelig med antall flere pigger. I juni 2011 sendte Vegdirektoratet på høring et forslag om endring av kjøretøyforskriften. Direktoratet foreslår å øke tillatt piggvekt på visse tyngre kjøretøy og tilhengere. Videre foreslås det en del justeringer av antall tillatte pigger. I dag er det tillatt med 200 à 6 grams pigger per dekk på buss, men bare 130 à 3 grams pigger på Dagens forskrift er ikke tilfredsstillende for transportsikkerheten til et tankkjøretøy som transporterer farlig gods, og det er viktig at antall pigger økes også for tungtransport. Eksempelvis blir det i dag kjørt bensin fra Tromsø til Mehamn og Ifjord i Finnmark – det er en distanse på 770 km én vei.

og ved en eventuell ulykke vil miljøet være svært utsatt, og i verste fall er hele miljøgevinsten borte. 70 flere pigger per dekk høres ut som et beskjedent tiltak, men det vil ha stor betydning for hverdagen til yrkessjåfører, i hvert fall nordpå. For når ulykken først er ute, så kan hver eneste pigg telle ganske tungt.

Det viser jo at det er en rekke forhold det bør gjøres noe med for at yrkessjåførene skal kunne få oppleve en bedre hverdag i et viktig, men svært så krevende yrke. Det aller viktigste tiltaket er selvsagt at vi bygger moderne og sikre veier mye raskere enn det regjeringen legger opp til. Det er ingen grunn til at oljerike Norge fortsatt skal ha veier som er blant de dårligste i Europa. Det som også er viktig, er at Norge vedlikeholder veiene på en langt bedre måte enn det vi gjør i dag. Det er nok å vise til planutkastet som kom i går, som viser et samlet etterslep på vedlikehold på riksveinettet på over 40 mrd. kr, og det er vel et sted mellom 20 og 30 mrd. kr på fylkesveinettet. For det daglige arbeidet som yrkessjåfør er et tilstrekkelig antall hvileplasser, kanskje spesielt døgnhvileplasser, det praktiske forholdet som det haster mest med å få på plass for å sikre gode arbeidsvilkår. Slike forhold som er i dag, ville neppe mange andre yrkesgrupper ha akseptert. Vi er i hvert fall glad for at Høyre støtter oss på dette feltet. Så sa statsråden i replikkvekslingen her at vi kan gjøre mer uavhengig av EU. Som saksordføreren sa, har vi vi nylig vært på tur med komiteen, og vi har vært på Statens vegvesens kontrollstasjon i Hedmark. Helt konkret: Hva kan gjøres på kort sikt for å sikre at utenlandske trailersjåfører faktisk kan bruke kjetting? Det er altså ikke nok å kontrollere at kjetting henger på bilen. Man må faktisk forsikre seg om at sjåføren er i stand til å bruke kjettingen når det trengs. Hva gjøres på kort sikt for å sikre at dekk på utenlandske vogntog som kjører i Norge, faktisk er egnet for norske vinterforhold? Jeg går ut fra – jeg gjentar det – at samferdselsministeren er enig i at vi kan stille norske krav for kjøring i Norge uten hindring fra EU. Hva gjøres for at det er tilstrekkelig politimyndighet, slik at brudd på forskrifter og lover som krever politibistand, kan følges opp? Det kan ikke være, og det bør ikke være, slik at sjåfører

Norsk industri trenger yrkessjåfører for å få deler fra utlandet og fram til hver eneste bedrift i alle avkroker i vårt langstrakte land. Uten yrkessjåfører ville det heller ikke være mulig å ta ekspressbussen fra Oslo til Sørlandet, som jeg er fra. Når vi vet hvor viktig yrkessjåførene og transportbransjen er, har vi som politikere et stort ansvar for å legge best mulig til rette for bransjen. Å bedre hverdagen for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet synes at hverdagen er god nok for sjåførene slik den er nå. De ønsker ikke å gjøre noe ytterligere for å bedre forholdene, for de sier tiltak er i gang, og vil kun legge vårt forslag ved protokollen – dette til tross for at høringen vi hadde den 17. januar, viste at vi har mye å gjøre for å gi yrkessjåførene gode arbeidsforhold. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene, som vel skulle være til det beste for sjåførene, ser vi med all tydelighet ikke fungerer slik de var ment. Dersom man skulle ha fått dem til å fungere, måtte man i det minste tilrettelegge gode døgnhvileplasser, slik at ikke yrkessjåførene må stoppe på uegnede steder uten toaletter og andre bekvemmeligheter man er avhengig av. Veiene er sjåførenes arbeidsplass, men de rød-grønne bryr seg ikke nok om arbeidsmiljøet til denne arbeidsgruppen. Hvert år er utenlandske trailere involvert i mange ulykker på norske vinterveier. dvs. at mange av de utenlandske trailerne ikke er utstyrt for vinterføre, eller at de ikke har øvelse i å kjøre under slike forhold. Mange vet ikke hvordan man skal feste kjettinger på hjulene, eller hvilket hjul kjettingene skal festes på, og da lar de det ofte være. Dette medfører farlige situasjoner for andre trafikanter, og også for dem selv. Det er også et tankekors at utenlandske sjåfører kan ferdes på norske veier uten å ha den kompetanse som norske sjåfører er nødt til å tilegne seg. Jeg tenker f.eks. på glattkjøringskurs. Det er viktig å få til flere kontroller av utenlandske trailere på grensen, men også langs veien for å forsikre oss om at trailerne har det utstyret som kreves for å kjøre på norske vinterveier. Fremskrittspartiet er trygg på at det personalet som kontrollerer både norske og utenlandske trailere, har kompetanse til å se hva slags utstyr de forskjellige kjøretøyene er utstyrt med. Kontrolløren må kunne vite hvilke trailere som skal komme opp en bratt bakke i snøføyken uten kjettinger, hvilke som må ha kjettinger på og hvilke kjøretøyer som ikke kan komme opp bakken selv om de har kjettinger på. Ofte står trailerne i bakken når snødrevet er som verst, og dette kunne vært unngått dersom det hadde vært flere kontroller på riktige steder med slikt kvalifisert personale. Fremskrittspartiet ønsker et bedre arbeidsmiljø for våre yrkessjåfører og håper i det lengste at alle partier her på Stortinget gjør det samme. Fremskrittspartiet tror på yrkessjåførene når de sier at de arbeider under dårlige forhold. Og fordi vi tror på dem, ønsker Fremskrittspartiet å gjøre noe med det.

Hvorfor har ikke regjeringspartiene skrevet noe om sosial dumping? Hvorfor er ikke regjeringspartiene opptatt av et av de selskapene som staten eier 95 pst. i, et slovakisk selskap? Kanskje man burde sett på lønns- og arbeidsbetingelsene i det selskapet? De gangene man spør om å få se dem, får man ikke offentliggjort det, fordi man får ikke se lønnsutbetalingene til dem som jobber for et norsk selskap, 95 pst. eid av Posten Norge, og som faktisk som faktisk kjører og bruker masse tid i Norge. Vi har store problemer med disse bilene, og mange norske yrkessjåfører er bekymret for situasjonen. Jeg håper virkelig at statsråden nå går tilbake på det med sosial dumping som vi er blitt utfordret på her. Vi er helt enig. Når en annen representant fra regjeringspartiene kommer opp her og lurer på dette med vinter og piggdekk, og forsvarer hvor fantastisk flott og fint det er, ja, hvorfor fremmer man ikke forslag når representantforslaget er til behandling i når representantforslaget er til behandling i Stortinget? Det er en grunn til at forslaget blir lagt fram for komiteen, og det er at det skal ha en grundig og god gjennomgang. Man skal kunne komme med nye, gode forslag – ikke bare etterpå når saken ligger til behandling i Stortinget. Når vi diskuterer den her i dag, sier man at man burde hatt vinterdekk i Norge, og vi burde gjort mer på sosial dumping. Jeg er opptatt av sosial dumping, og det er derfor jeg også fokuserer på et av de selskapene som vi har ansvaret for, og vil utfordre Meltveit Kleppa: Hvorfor skal vi ikke sørge for at de har gummi på dekkene som gjør at de er godt skodd for å kjøre på norske vinterveier? Jeg har selv opplevd og sett sjåfører som ikke har peiling på å kjøre på norske vinterveier. Jeg sto og så på først en bil som hadde satt seg fast på en gang- og sykkelvei. Så kom det en ny bil som skulle hjelpe den andre opp. Det var helt håpløst. Enhver som har kjørt litt bil, skjønte at dette var håpløst. Da skjønner man at de ikke har forutsetninger for å kjøre her. Når avisen Valdres skriver at 75 pst av dem som trenger berging, er utenlandske vogntog, ja, da har vi et problem som vi må gjøre noe med. Så må man gjerne komme med snikksnakk om alt mulig annet, men jeg lurer på hele forutsetningen her: Har man faktisk gjort jobben sin i komiteen? Hvorfor har man ikke kommet med forslag om sosial dumping, som Susanne Bratli var oppe her og utfordret oss på? Det fra regjeringspartiene om sosial dumping i dette forslaget. Men vi er opptatt av sosial dumping. Vi skal kjempe for å bekjempe sosial dumping. Vi ønsker like konkurransevilkår. Det betyr at vi må gjøre noe med avgiftssystemet, og vi må bedre arbeidsbetingelsene for yrkessjåførene i Norge. Hvis en annen representant hadde sagt at denne debatten var både subtil og platt, ville jeg hatt vanskelig for å si meg uenig i det. Hvis en annen representant hadde sagt at denne debatten var både subtil og platt, ville jeg hatt vanskelig for å si meg uenig i det. For det vi opplever her, er faktisk to sider: en side som forholder seg til den reelle verden, og en annen side som kun forholder seg til sin egen regjering og ikke lenger går for det gamle slagordet «All makt i denne sal». Det man egentlig sier, er at all makt skal være ute av denne sal, og man vil ikke ha innblanding i noe som helst. Dette er et tema som engasjerer stort der ute. Men selv om engasjementet er stort, er det stort, er det ingen representanter for regjeringspartiene som egentlig ønsker en debatt – de forholder seg til en surrealistisk verden, mens noen forholder seg til den reelle verden. Skal vi ta oppslaget i avisen Valdres på alvor, er det altså slik at den sier det som vi har gjentatt gang på gang: Det største problemet er utenlandske trailere på norske vinterveier. 75 pst. av alle oppdrag dreier seg om utenlandske trailere. Tror vi på det, eller skal vi lage en egen virkelighet? Jeg har et annet oppslag, som vi fikk på komitéturen, som gjelder Hedmark og Oppland. er det helt klart: Utenlandske trailere tåler ikke det norske føret. Utenlandske vogntog er ikke bygd eller lastet for norsk vinterføre. Vi har behov for strengere kontroll. Er det noen her på huset som tar til orde for det? Er det noen her som ønsker å fremme forslag om det? Eller skal man overlate det til andre? Bladet Norsk Transport uttaler ganske greit: «Det er nesten leit å slå fast det faktum at de politiske partiene ikke prioriterer transport spesielt høyt, med ett unntak per i dag – FrP.» Jeg synes det er

det. Derfor jobber vi tett sammen med vår fraksjon i en helt annen komité enn transportkomiteen. Jeg vil også understreke at Arbeiderpartiet og regjeringspartiene, de rød-grønne partiene, faktisk er veldig opptatt av både yrkessjåfører og andre som bruker vegen hver dag, og at alle sammen skal ha det så bra som mulig på norske veger. Det er derfor vi er så tydelige på at forslaget om å fjerne prikkbelastningen for alle ikke er forslag som bedrer trafikksikkerheten, og dermed heller ikke bedrer hverdagen for yrkessjåførene. Og jeg gjentar: Vi mener ikke at det er en liten feil å bryte fartsgrensa med oppi 15 km/t i en 60-sone. Det er en stor feil, og det kan være forskjellen på liv og død. Derfor går vi imot det. Når det gjelder dekk, vil jeg bare opplyse om at da jeg var med Statens vegvesen i Nord-Trøndelag på utekontroll, ble jeg orientert om at de faktisk bøtela flere norske vogntog for dårlige dekk enn utenlandske. Problemet var fremdeles at kravene til dekk både på norske og utenlandske er for «dårlige». Det gjelder ikke bare for vogntog, det gjelder faktisk også for personbil. Det må vi se på, og vi må gjøre noe med Men da er det selvfølgelig en utfordring at de som er vant til andre forhold å kjøre på, som kommer fra andre land, har behov for enda bedre dekkutrustning enn oss for å takle forholdene. Derfor må vi ta opp dette temaet. En kommentar til Fredriksens innlegg: Jeg vet ikke helt om jeg skjønte det,

utenlandske trailere. Det er de som bryter reglene, det er de som er innblandet i flest ulykker osv., og det vises til en undersøkelse i Valdres. Jeg vil bare presisere at vi snakker om både utenlandske og norske trailere. Det er ikke stor forskjell på hvordan man bryter loven, eller hvordan man er innblandet i ulykker på norske vinterveier. Jeg tror debatten hadde stått seg på at vi hadde snakket om trailersjåfører, eller sjåfører generelt sett, og ikke hatt den splittingen som Fremskrittspartiet nå holder på med. Så ble det også sagt at det kun er Fremskrittspartiet som er opptatt av trailersjåfører, lastebiler og Jeg har bare lyst til å minne om at det faktisk blir utført vesentlig flere kontroller nå enn i året før, også tekniske, og denne opptrappingen vil fortsette. Vi i Arbeiderpartiet og regjeringen har et godt samarbeid med lastebilnæringen. Vi er opptatt av å sikre rettferdige konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportører, og vi er klare til å skjerpe kravene til dekk og kjettinger. Men vi aksepterer ikke – jeg understreker det igjen ikke – jeg understreker det igjen – den forskjellsbehandlingen av utenlandske og norske transportører som Fremskrittspartiet legger opp til, og det må være lov til å spørre hvilke motiver Fremskrittspartiet egentlig har i saken. Så til hvem man viser til hele tiden – Valdres skulle nå være det som liksom gjaldt for hele landet. I sine merknader viser Fremskrittspartiet i stor utstrekning til Norsk Yrkessjåfør Allianse, bl.a., som sannhetsvitne. Jeg vil gjerne gjøre Stortinget oppmerksom på at dette er en organisasjon som per 2. januar hadde null – null – betalende medlemmer. Det er ikke det at jeg ikke tror på påstandene deres, men det virker jo noe merkelig.

på noen områder får man en advarsel, og hvis man ikke følger regelverket etter det, er det faktisk ut. Men å dra det inn i denne sammenhengen blir jo litt snodig. Bård Hoksrud har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det blir ikke så lett å bruke bare 1 minutt på å svare på det foregående. Jeg registrerer at representanten

på norske veier spesielt i forbindelse med dårlige vær- og kjøreforhold, og nedlegge bruksforbud etter vegtrafikkloven hvis kjøretøy ikke er egnet til å kjøre på vinterføre.» Det står ikke noe om utenlandske her; det står om alle. Men vi vet at utenlandske dessverre er svært overrepresentert, og det er også derfor denne debatten kommer. Spesielt gjelder det en del av de selskapene hvor staten er storeier, og som er mange av dem vi har problemer med – de som bruker slovakiske og polske sjåfører.

når vi snakker om vinterkjøring, om norske forhold, er det faktisk slik at utenlandske sjåfører er overrepresentert når det gjelder behov for assistanse fra redningsselskaper. Hele forslaget går ut på å få til en bedre hverdag for yrkessjåførene. Det er knapt noen yrkesgruppe i Norge som over tid har lidd mer og blitt mer oversett og ignorert enn yrkessjåførene. Det virker som om både LO og regjeringen svever rundt på en miljøboble hvor yrkessjåfører og godsfrakt med trailere og lastebiler er et nødvendig onde, og at ingen ønsker å se nytteverdien av den jobben som blir gjort. Vi tar til orde for døgnhvileplasser. En døgnhvileplass bør ha toalett, dusj og helst også andre bekvemmeligheter. Yrkestrafikkforbundet svarte at 40 pst. av sjåførene

Er det ikke på tide at denne sal kan klare å bli enige om at dagens situasjon for yrkessjåfører er uverdig? Nei, man vil ikke det, og jeg må si at all makt er tatt ut av denne sal. Vi har ikke beslutningsmyndighet. Det er synd for oss i denne bygningen,

følgja opp og styrkja både det regelverket og dei reaksjonsmoglegheitene som vi har. EØS legg til grunn eit felles regelverk, òg sjølv om vi har ulik geografi. Køyreforholda på vinterstid er annleis i Noreg enn i fleire andre land, men lat meg seia at både forslaget om påbod om vinterdekk og forslaget som gjeld økonomisk medansvar for transportkjøpar, må sjekkast ut i forhold til EØS. Det kjem til å bli gjort. Vårt mål er at vi skal få begge desse forslaga fram før komande vinter. Så arbeider vi førebyggjande, både regjeringa og Statens vegvesen, med våre internasjonale kontaktar. Det betyr at nettopp dette temaet har eg teke opp med både den polske ministeren og den danske og det er for å drøfta korleis vi heile tida kan bidra med informasjon i forkant og sikra at flest mogleg sjåførar er klare over det regelverket og dei køyreforholda som er i Noreg. Så må eg seia til Bård Hoksrud når han her framstår ein smule fornærma for at ikkje Stortinget har slutta

eit eksempel på at regjeringa har fanga opp at det både i næringa og i Stortinget og elles er stor merksemd på at her trengst det tiltak på dette feltet. Slik vil det òg vera framover Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Her foreligger det ikke noe forslag til debattopplegg. Det er så langt én inntegnet taler, og det er sakens ordfører, representanten Sonja Mandt, som

Ja, det skal jeg ikke bruke. Jeg vil bare bruke anledningen til å takke komiteen for en ryddig og grei behandling når det gjelder endringer i helsepersonelloven og i spesialisthelsetjenesteloven. Endringene dreier seg om pliktig avhold for helsepersonell og en teknisk endring i bruken av benevnelser. Det har da, som sagt, ikke skapt den store politiske uenigheten i komiteen. Komiteen er enig i at endringene gjør det mulig å få bedre kontrollmuligheter, og at en dermed kan avsløre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

som oppholder seg i kommunen, skal tilbys forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det innebærer at pleietrengende som har behov for heldøgns omsorg, har krav på dette. Det er selvsagt svært viktig å gjennomføre tilsyn med kommunehelsetjenesten for å sikre at dette blir realisert. Av de 27 punktene må forslaget om å flytte finansieringsansvaret for eldreomsorgen fra kommunene til staten anses å ligge til grunn for hele saken. Forslaget innebærer at når en pleietrengende eldre person får godkjent et pleie- og omsorgstilbud på institusjon eller hjemme, skal staten gjennom folketrygden være forpliktet til å betale tjenesten til leverandøren, som den eldre selv velger. Dette er innføring av en stykkprisfinansiering av eldreomsorgen som vil undergrave hele modellen som eldreomsorgen i Norge bygger på. I den norske modellen er det kommunene som har ansvaret for eldreomsorgen, og det er kommunene gjennom rammefinansiering som skal ha frihet til å tilpasse omsorgstilbudet til den enkeltes behov. Selv om man gjennom mediene kan få inntrykk av at ting står dårlig til i norsk eldreomsorg – og det er mange enkelttilfeller som gir grunnlag for å tro det – er modellen i seg selv ikke verdt å rokke ved. Kommunene bør ha ansvaret for eldreomsorgen, fordi det er en ubyråkratisk ordning som gjør det mulig å tilpasse omsorgstilbudet til innbyggerne i den enkelte kommune. Organiseringen av eldreomsorgen slik som det foreslås, vil stimulere til å bygge opp et byråkrati og et diagnose- og rapporteringssystem som både er uønsket, tungvint og dyrt. Det er verdt å minne om erfaringene fra helseforetakene. Foretakene har et finansieringssystem som forslaget kan sammenlignes med. Der er det etter hvert bygd opp et byråkrati det er all grunn til å gå nærmere etter i sømmene. Et bredt flertall i komiteen støtter derfor ikke dette forslaget. Jeg vil ikke kommentere alle punktene i denne pakken. Statsråden har gitt grundige svar i den vedlagte redegjørelsen, men jeg skal kommentere noen. Under punktene 22 og 23 foreslås det en statlig bemanningsnorm for sykehjem, hva gjelder både leger og sykepleiere, og videre at Helsedirektoratet skal være godkjenningsmyndighet for bemanningsplanene. Komiteens flertall støtter ikke dette. Begrunnelsen ligger i at det er ulike behov for bemanning på de enkelte avdelingene ut fra den enkeltes behov rundt om i omsorgssektoren. En statlig norm kan lett bli en maksimumsnorm som ikke gir god nok fleksibilitet. I den nye kommunehelseloven framgår det at den enkelte har rett til tjenester tilpasset den enkeltes behov. Da vil behovet for bemanning være forskjellig, også for pasienter med samme diagnose. Det er bra for pasienten at disse vurderingene kan tas i den enkelte kommune og på det enkelte sykehjem. Men la meg understreke at det er grundig dokumentert at nok personell med riktig kompetanse vil være en av de aller største utfordringene vi står overfor i De aller fleste eldre på sykehjem har sammensatte lidelser. Det stilles krav til de ansatte. Eldre står overfor andre sykdomsutfordringer enn de yngre i befolkningen, og kompetansen i eldreomsorgen må speile disse behovene. I dag finnes det få krav til profesjonskompetanse i sykehjem og i hjemmetjenesten. I en rapport fra 2009 hevder SINTEF at det i hovedsak er arbeidsmiljøet, arbeidstiden og den lave statusen i omsorgstjenesten som hindrer rekruttering til sektoren. Dette må vi ta inn over oss. Rapporten er basert på intervjuer med hjelpepleiere. De beskriver en arbeidssituasjon der de enten jobber for mye, for lite eller med for oppdelt arbeidstid. Det er vår jobb å sørge for at flere tar helseutdanninger. I den nye stortingsmeldingen om velferdsutdanningene som nå ligger til behandling i Stortinget, er det foreslått flere grep som vil gjøre utdanningene mer attraktive, og som vil bidra til å heve det faglige nivået i helse- og omsorgssektoren. Blant annet foreslås det en helt ny modell for helse- og sosialfagarbeiderutdanningen i videregående opplæring. Det foreslås innføring av en ny prøveordning med y-veien – yrkesveien – der kandidater med yrkesutdanning i helse- og sosialfag kan tas opp på tilrettelagte studier i høyere utdanning, og det foreslås å iverksette et forsøk med helse- og sosialfaglig fagskoleutdanning basert på en annen videregående opplæring enn fagbrev eller yrkeskompetanse innenfor helse- og Dette blir Velferds-Norges store utfordring de nærmeste 20 årene. Under et annet punkt, 21 i Dokument 8-forslaget, foreslås det å øremerke egne midler for å implementere modellen fra Fredericia kommune i Danmark – en modell som bygger på strategien fra prosjektet «Lengst mulig i eget liv». Komiteen understreker at denne modellen representerer noe veldig positivt og er helt i tråd med det som har vært prioritert

som fortsatt finnes i mange kommuner. Hagerup-utvalget leverte i fjor NOU-en Innovasjon i omsorg, og her gjennomgår de både behovet for og mulige løsninger for økt bruk av teknologi i omsorgstjenestene. Utvalget foreslår bl.a. en Teknoplan 2015 for økt bruk av velferdsteknologi. Det er svært viktig at regjeringen følger opp

Kompetanseløftet 2015 Demensplan 2015 bygging av 12 000 heldøgns omsorgsplasser I denne planen ligger det også å utvikle en ny kommunerolle, styrke kommunenes kompetanse, og kommunene skal i større grad forebygge. Et svært sentralt element er at kommunene skal ha frihet til å prioritere. Det kan gjøres ved å styrke kommunene ressursmessig. Det gjøres ikke gjennom gjennom det forslaget som her ligger til behandling. Her handler det om å frata kommunene denne muligheten gjennom statlig overtaking av finansieringen, stykkprisfinansiering og oppbygging av et diagnose- og rapporteringsbyråkrati. Jeg anbefaler komiteens innstilling. En av de viktigste og mest krevende velferdsoppgavene vi som samfunn skal løfte i årene som kommer, er

Mange av oss vil være spreke og oppegående til langt opp i pensjonsalderen, men det er også slik at mange blir pleietrengende eller vil komme til å ha bruk for ulike former for hjelp og assistanse. Hovedtanken i eldreomsorgen må være at det mangfoldet og de ulikhetene som den eldre befolkninga representerer, blir utgangspunktet for politikkutforminga. Det er dette det bl.a. handler om i Omsorgsplan 2015 og i verdighetsgarantien. Det er dette som gjør at vi har lagt til rette for at folk kan stå lenger i jobb og også kan kombinere ulike former for jobb og pensjonsuttak. Det er derfor vi må tenke nytt om boformer, aktiviteter og opplevelser, og om pleie, omsorg og praktisk bistand. Vi er ikke såre fornøyd med eldreomsorgen overalt her til lands, sjøl om vi må understreke at det gjøres mye godt arbeid i svært mange kommuner. Derfor vil jeg peke på at Stortinget har vedtatt en ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som i enda sterkere grad understreker kommunens sørge for-ansvar. Nødvendige helse- og omsorgstjenester, praktisk bistand og annen hjelp skal ytes dem som trenger det. Heldøgns omsorg i sykehjem eller omsorgsbolig så vel som tidlig innsats med ytelser i den enkeltes hjem skal tilbys eldre. Godt tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstjenester skal sikre at dette realiseres på en god og forsvarlig måte. Det er den enkelte kommune som skal og må ha ansvar for å levere et godt omsorgstilbud til sine innbyggere. Kommunene har den beste oversikt over de menneskene som bor der,

etterfølgelse. Det er flott at det finnes god praksis i inn- og utland som vi kan lære av. Samtidig vil jeg understreke at Samhandlingsreformen nettopp foreslår den type løsninger som Fredericia-modellen foreskriver – nærhet og kvalitet i tjenestene og handling på beste effektive nivå. Eksemplene finnes allerede mange steder, f.eks. i Storfjord kommune i Troms, der man satte inn hjelp og praktisk bistand i hjemmene til eldre på et så tidlig tidspunkt at kommunen lenge har hatt overskudd på sykehjemsplasser – som man så har tilbudt nabokommunene. Til slutt vil jeg slå et slag for det regjeringsoppnevnte Hagen-utvalget og rapporten «Innovasjon i omsorg», som ble lagt fram i fjor sommer. Her skisseres flere interessante ideer for framtidas eldreomsorg, som også saksordføreren var inne på – nytenking når det gjelder boligutforming, familie, venner, frivillig sektor og offentlige aktører i et samspill for å ivareta eldre mennesker, riktig bruk av kommunikasjons- og velferdsteknologi. Dette kan vise seg å være de riktige grepene i eldreomsorgen, kombinert med en dyp forståelse av at vi er levende, lekende, åndelige og kulturelle skapninger heile livet – fra vugge til

har selv hatt et ønske om at helse- og omsorgskomiteen skulle bruke god tid på behandlingen, i håp om enighet om en del nødvendige grep for å gjøre eldreomsorgen bedre. Dessverre opplever vi at regjeringspartiene med et pennestrøk avviser alle våre forslag og erklærer dem døde og begravde. Dette gjør at også dette blir en trist dag. Jeg hadde håpet at regjeringspartiene hadde innsett at det ikke skinner av eldreomsorgen, og at de ville se på hva vi i fellesskap kunne gjøre.

Det som er gledelig, er at vi har fått med oss Høyre og Kristelig Folkeparti på nesten halvparten av forslagene våre. Det lover godt for det som kan skje etter 2013. Ser vi på forslagene Fremskrittspartiet har fremmet, er det noen av dem som går på finansieringsansvaret. Vi har hatt en kontinuerlig debatt om feil og mangler i eldreomsorgen siden lov om kommunehelsetjenesten så dagens lys på 1980-tallet. Det burde være slik at alle landets borgere er sikret tilstrekkelig bistand til helse-, pleie- og omsorgstjenester når behovet oppstår, uansett hvor de bor i landet. Men et likeverdig tilbud er tydeligvis ikke et mål for regjeringen. Den er mer opptatt av å dyrke frem forskjellene mellom landets 429 kommuner, under henvisning til det lokale selvstyret. Situasjonen i eldreomsorgen og kritikken mot det kommunale tilbudet har ikke endret seg vesentlig på 30 år. En kontinuerlig underfinansiering av kommunal sektor i forhold til oppgavene kommunene er tillagt, samt gapet mellom de forventningene sentrale politikere skaper i sine valgløfter og det kommunene er i stand til å levere, skaper Svarteperspillet fortsetter. I 1982 var Fremskrittspartiet alene om å si at sykehusene måtte bli statens ansvar, og at vi måtte få et stykkprisfinansieringssystem. Vi ville ha et overordnet, nasjonalt organ og pekte på et sykehusdirektorat. 20 år senere ble sykehusene statens ansvar. Vi fikk på plass innsatsstyrt finansiering, og i disse dager går debatten om et overordnet, nasjonalt organ som har ansvar for sykehusene. Så vi kan vel si at det går fremover skritt for skritt, men det går utrolig På samme måte ser vi at vi nå er alene om å ønske oss statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi har en slik finansiering av uførepensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd og alderspensjon, men regjeringspartiene hevder at tilsvarende finansieringssystem er umulig når det gjelder syke eldre. Grunnen de fremholder, er at de eldre er så forskjellige. Vel, jeg har møtt mange uføre, sykmeldte, arbeidsledige og mange pensjonister. Jeg opplever ikke at de er så like, de heller. For meg er de alle unike enkeltindivider med ulike behov. Loven sier i dag at alle skal være sikret «nødvendig helsehjelp». Regjeringspartiene bruker det som argument og lener seg tilbake. Utfordringen ligger jo nettopp i at det er kommunene selv som foretar vurderingen og gir definisjonen av hva som er nødvendig helsehjelp. Vi vet jo at det er årsaken til at det ikke føres offisielle ventelister for sykehjemsplass, for kommunene bryter i realiteten loven hvis de mener en pasient har behov for sykehjemsplass og en slik plass ikke er ledig. Derfor får vi heller ikke det reelle behovet for sykehjemsplasser på bordet. Vi får ikke fleksible løsninger som sikrer at den enkelte syke, gamle får tilbud på beste effektive omsorgsnivå. Kommunen søker å tilby nødvendig helsehjelp på et lavere omsorgsnivå, vel vitende om at tilsynsmyndighetene ville påtalt forholdet om det hadde blitt kjent for dem. Men hvem tør vel klage når en går og venter og håper på å komme først i køen til neste ledige sykehjemsplass? Det oppleves ikke trygt å legge seg ut med den som har tildelingsmyndighet i en slik situasjon. Dette er en av de uverdighetene vi i Fremskrittspartiet vil ha slutt på med våre forslag her i dag, men regjeringspartiene vil at alt skal fortsette som før. Vi ønsker oss også et ris bak speilet for kommunene om at de som trenger sykehjemsplass og ikke får det, skal kunne få 1 000 kr dagen av kommunen, og at eldre som må dele rom mot sin vilje, skal betale halv pris. Dette er tiltak som kunne lagt press på kommunene til å oppfylle de løftene som hele ni helseministere har kommet med, men også her

Tre uker senere, den 16. desember, vedtar regjeringen forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, og den gamle vederlagsforskriften er historie. Dette er for meg tegn på en regjering som ikke tar Stortinget på alvor. Dessverre vil også den nye forskriften føre til at personer risikerer å måtte gå fra sitt hjem, og jeg har allerede fått signaler på at utskrivningsklare minstepensjonister ikke har råd til å takke ja til opptreningstilbud på lokalmedisinsk senter, men må ta til takke med egentrening og bistand fra en gratis hjemmesykepleie. Men å fjerne slike usosiale utslag i vederlagsforskriften stemmer også regjeringspartiene imot. Arne Strand i Dagsavisen har bedt oss rope så høyt om dette at det høres helt bort til regjeringskvartalet. Jeg skal ikke rope her i salen, men jeg vil innstendig be statsråden og regjeringspartiene se på forslag nr. 1 en gang til. I innstillingen viser Fremskrittspartiet til at vi i 25 år gjennom ulike forskningsrapporter og dokumentasjoner har fått servert bevis på at nødvendig helsehjelp ikke ytes av kommunene, slik loven foreskriver. Eldre dopes ned og overmedisineres og påføres store bivirkninger. Gjennom 25 år har myndigheter uttrykt bekymring, regjeringen har hevdet at den har fokus på problemet. Men det hjelper lite bare å stå og glo, det må handling til.

omsorgen. Vi ser at disse forskriftene brytes hver eneste dag. Sykepleierforbundet har foretatt en undersøkelse som viser at rundt 40 pst. av rådmennene og ordførerne ikke har tilstrekkelig informasjon om kvaliteten på de helse- og omsorgstjenestene kommunen leverer til innbyggerne. Kommunepolitikerne vedtar budsjetter uten å vite hva som kreves i lov og forskrifter, og hva som faktisk leveres. Vi hører om kommuner som sier at lov og forskrifter er en målsetting de vil strekke seg etter, og vi hører om kommuner som setter lovverket på vent. Dette vil altså regjeringspartiene ikke ta tak i. De eldre blir skadelidende, og uverdigheten fortsetter. Det er deilig å være norsk i Danmark, heter det i reklamen. Fremskrittspartiet har vært flere ganger i Danmark, og vi opplever at Danmark har kommet mye lenger i å utvikle en god eldreomsorg enn det vi har her i landet, til tross for oljeformuen vår. Det hele går på tilnærmingen til det enkelte individ. Fremskrittspartiet har tidligere fremmet forslag om Lotte-modellen, og har innført den i flere kommuner hvor vi har kommet i posisjon. møtte et system som tok den enkeltes behov på alvor. Kommunen satte inn omfattende tiltak med en gang det ble meldt om hjelpebehov. Hverdagsrehabilitering sto sentralt. Personalet gikk fra å være hjemmehjelpere til å bli hjemmetrenere, noe som medførte at behovet for institusjonsplass ble utsatt. Samtidig ble det understreket at de som hadde behov for sykehjemsplass, fikk det når behovet var der. Fremskrittspartiet fremmet altså forslag om dette i juni i fjor. Kommunalministeren var i Danmark et år etter og fikk også en positiv opplevelse. Navarsete sier rett ut i Aftenposten den 6. februar i år at «Norge ikke vil klare å håndtere eldrebølgen uten å følge etter danskene. Vi må være ærlige. Jeg vet at det vil vekke debatt og at jeg vil få kritikk.» Det er altså statsråden som er ansvarlig for tjenesteutøverne, som sier dette. Men dessverre er det ikke antydning til en slik erkjennelse fra Helsedepartementet eller regjeringspartienes medlemmer i helse- og omsorgskomiteen. En omstilling slik de har gjort i Danmark, krever langt mer enn at det kan gjøres av kommunene innenfor dagens rammer. Det må omstillingsmidler til. Men regjeringspartiene går imot. Regjeringspartienes manglende støtte til konstruktive forslag om å gjøre eldreomsorgen bedre gjør at vi dessverre også fremover vil se slike uverdige og umenneskelige oppslag som vi så på NRK Kveldsnytt tirsdag med tvangsflytting av en dødssyk mann i arbeiderpartistyrte Elverum.

Men god eldreomsorg er ikke bare et spørsmål om kvantitet, det er minst like viktig å sikre god kvalitet. Eldre og pleie- og omsorgstrengende har rett til nødvendig helsehjelp på samme måte som alle andre, og den retten skal gå så langt som behovet tilsier. Det er vedtatt en ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som slår fast at kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg i kommunen, skal tilbys forsvarlige og Men det hjelper ikke hvor mye lovverk vi vedtar her på Stortinget, hvis ikke kommunene følger opp sitt ansvar. Det er mye bra i eldreomsorgen. Tusenvis av dyktige helsearbeidere gjør hver dag en stor innsats for å gi dem som trenger det, et godt og verdig tilbud. Men dessverre avdekkes det gang på gang store mangler i deler av eldreomsorgen både gjennom tilsynsrapporter, gjennom de eldre og pårørendes egne historier og gjennom forskning og oppslag i media. media. Omsorg i livets sluttfase er en av de mest krevende oppgaver innen helsetjenesten, som utfordrer både fagfolk og politikere. Respekten for menneskeverdet blir satt på alvorlig prøve hos politikere, i helsetjenesten og hos helsepersonell. Menneskeverdet er særlig utsatt for å bli krenket eller truet ved slutten av livet. Det vil jeg gi et eksempel på: De siste dagene har det gjennom media blitt avdekket at slagrammede, kreftsyke og døende Sverre Østby fra Eidsvoll ble vedtatt flyttet mot sin og familiens vilje fra trygge og gode omgivelser på sykehjemmet hvor han har hatt sitt hjem de siste to årene, til et annet sykehjem. I tillegg til påkjenningen ved å ha en døende mann og far har kona og datteren måttet kjempe en intens kamp med kommunen for at han skulle få være der De måtte selv fysisk hindre at ambulansepersonellet tok ham med seg da de kom for å hente ham. En slik meningsløs behandling av et dødssykt menneske og hans nærmeste pårørende er opprørende og ikke til å begripe. Det vitner om en kommune hvor system og regelrytteri settes foran det enkelte menneskets ønsker og behov. Det er mangel på respekt og innlevelse – ja, rett og slett meningsløst. Kommunen har nå, etter medieoppslagene, utsatt flyttingen et par uker, men ordføreren fra Arbeiderpartiet sier at de står fast på beslutningen om at han skal flyttes, og at det ikke finnes gode nok argumenter for at Østby skal slippe unna. Jeg blir opprørt over en slik behandling. Jeg tviler ikke på at Østby også ville fått god pleie og omsorg ved det andre sykehjemmet, men det er ikke det det handler om. Det handler om å ta hensyn til enkeltmenneskets og pårørendes ønsker og behov og vise respekt og medmenneskelighet i en sårbar fase i livet. Det er opprørende at pårørende skal være nødt til å gå til media for at deres kjære skal få en god, trygg og verdig avslutning på livet. Jeg trekker fram denne historien som ett av svært mange eksempler på brudd på sentrale pasient- og brukerrettigheter og helse- og omsorgstjenesteloven – i tillegg i tillegg til den såkalte verdighetsgarantien. På enkelte områder er det langt igjen før det skinner av eldreomsorgen. Høyre støtter flere av forslagene som er fremmet, slik det fremgår av innstillingen, bl.a. om å gjøre en endring i lov om helsetjenestene i kommunene, slik at det innføres et tilbud om gjennomføring av forebyggende hjemmebesøk til personer over 75 år som ønsker det. Det mener vi vil være en god investering for de eldre og deres trygghet og helse. helse. Vi ønsker også å styrke den kliniske ernæringskompetansen i kommunene. Det er et stort behov for det. Både de som bor på sykehjem, og hjemmeboende eldre og andre vil ha glede av det, ikke minst vil det ha en helsegevinst. Høyre støtter forslaget om å innføre vandelsattest for personer som skal jobbe med eldre i pleie- og omsorgssektoren, etter en modell fra krav om vandelsattest for personer som jobber med barn og

til staten gjennom folketrygda. Senterpartiet er heilt overtydd om at ei statleggjering av ansvaret for eldreomsorga vil føra til ei dårlegare teneste. Eldreomsorga må ytast der dei eldre bur, og dei som har ansvaret for tilbodet, må ha nærleik til tenestene. Ei statleggjering av ansvaret vil føra til meir byråkrati, større avstand mellom brukarane og dei som bestemmer, og tilbodet vil vanskeleg bli skreddarsydd for behovet i den einskilde Det er like unaturleg å ta eldreomsorga vekk frå kommunane som det ville ha vore å statleggjera grunnskulen. Senterpartiet meiner at det lokale sjølvstyret er ein av dei mest grunnleggjande verdiane i det norske samfunnet. Senterpartiet var i si tid òg imot statleggjering av sjukehusa. Fleire parti er einige om at det er eit demokratisk underskot i den sektoren i dag. Eg meiner vi må unngå å gjera same feil i eldreomsorga. Staten er som kjent ingen snill Det blir fremma forslag om å endra finansieringssystemet slik at pengane følgjer brukaren, og at det blir implementert eit system for betaling i institusjonsomsorga, som, etter det eg forstår, kan samanliknast med DRG-koding og stykkprisfinansiering i spesialisthelsetenesta. Dette vil krevja eit veldig omfattande byråkrati. Vi vil få eit rapporteringssystem på lik linje med det Denne forma for finansiering vil ikkje fremma førebyggjande tiltak. Det vil kanskje heller fremma institusjonsbruk. Det krev reell konkurranse mellom tilbydarane for å fungera, og i dei minste kommunane er dette ein illusjon. At brukarane fritt skal kunna velja mellom tilbydarar, høyrest fint ut, men erfaringa viser at slike ordningar lett kan gå ut over dei mest sårbare og sjukaste brukarane. Fritt sjukehusval veit vi fungerer best for dei med høg inntekt og høg Det vil kunna forsterka dei sosiale helseforskjellane i eldreomsorga. Auka marknadstenking i kommunehelsetenesta er ikkje vegen å gå for å styrkja kvaliteten og sikra verdigheita i eldreomsorga. Statsråden har i sitt svarbrev til komiteen gitt gode svar på dei ulike andre forslaga som blir fremma av forslagsstillarane. Eg vil ikkje gå inn på kvart enkelt, men eg synest det er grunn til å minna om at Noreg samanlikna med mange andre land

Vi skal byggja fleire sjukeheimsplassar til dei nye eldre, men vi vil ikkje kunna byggja oss ut av den såkalla eldrebølgja. Å styrkja kvaliteten i tilbodet og ikkje berre fokusera på kapasiteten er også viktig. Særleg bekymringsfulle er rapportar om manglande rutinar for legemiddelhandtering og overmedisinering av eldre og det store problemet med underernæring som ein har mange stader. Det blir foreslått bemanningsnormer for sjukeheimar. Eg kan forstå at dette blir diskutert. Men eg meiner det er like viktig å sjå på spesialistutdanninga for legar, slik at det løner seg å arbeida som sjukeheimslege – at det blir ein eigen spesialitet eller del av ein spesialitet. Det er òg grunn til å vera bekymra for manglande rekruttering av helsefagarbeidarar. I går kom ein rapport som viser at fråfallet i den utdanninga er så enormt stort at for å utdanna éin ny helsefagarbeidar må vi ha ti elevar. Eldreomsorga i framtida krev ikkje berre fleire offentlege hender, men òg frivillige hender. Ein betre politikk for pårørande som ønskjer å gjera ein innsats med omsorg for nær

De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig liv og et meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov. Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og også sikre at medisinske behov blir ivaretatt. Omsorgen skal også bidra til habilitering og rehabilitering, faglig forsvarlig oppfølging av lege eller annet relevant personell som sikrer kontinuitet i behandlingen, og tilby eldre som bor på helseinstitusjon, enerom. Forskrift om verdighetsgarantien trådte i kraft 1. januar 2011. Den hadde nettopp som formål å sikre det som er hovedtemaet i dette representantforslaget, at eldreomsorgen tilrettelegges slik at eldre får en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Da var det svært skuffende at regjeringen ikke fulgte opp verdighetsgarantien som forutsatt da den la frem forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Som vel de fleste i denne sal er kjent med, mente regjeringen i lovforslaget at de eldres rettstilstand skulle videreføres på dagens nivå, og slik ble det. Men intensjonen med hele verdighetsgarantien var nettopp at eldres rettstilstand skulle styrkes, og at en dermed skulle sikre et forsterket tjenestetilbud. Styrkede rettigheter for eldre er en forutsetning for bedre kvalitet i eldreomsorgen. Kort tid etter at verdighetsgarantien trådte i kraft, kom det rapporter om brudd på garantien. Tall fra Statens helsetilsyn viser at rundt 50 pst. av dem som retter klager mot kommunen på rett til nødvendig helsehjelp, får helt eller delvis medhold i klagen. Skal verdighetsgarantien fungere som en reell garanti, kreves både tilstrekkelig bemanning og god kompetanse. Eldreomsorgen må derfor tilføres tilstrekkelig med ressurser. Her går Kristelig Folkeparti foran med et godt eksempel. For budsjettet for 2012 økte vi i vårt alternative budsjettforslag bevilgningene til kommunene med 1 mrd. kr, nettopp for å øke kvaliteten i eldreomsorgen. Det er også et mål at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Det fremmer både selvstendighet og uavhengighet. Mange eldre ønsker dette selv, så lenge de har trygghet for at de vil få den hjelpen de trenger når behovet melder seg. Det er når personer blir for syke til at de føler det trygt å være hjemme, at det er behov for sykehjemsplass, og da må sykehjemsplassen stå klar. At noen kommuner har overskudd av sykehjemsplasser, slik representanten Tove Karoline Knutsen viste til, er glimrende. Det er flott, men i dag er nok det mer et unntak enn en regel. Vi får med jevne mellomrom nyhetsoppslag om eldre som ikke får sykehjemsplass fordi kommunen de bor i, ikke har nok plasser. Terskelen for å få sykehjemsplass er Det føres heller ingen statistikk for hvor mange som venter på sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Jeg har besøkt flere kommuner etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft ved årsskiftet. Kommunene fikk da ansvar for utskrivningsklare pasienter. Det mange kommuner nå gjør, er å ta i bruk korttidsplasser på sykehjem til pasienter som utskrives fra sykehuset. Det medfører at avlastningsopphold forsvinner, dette er et forhold statsråden kan ta opp i sin dialog med kommunene. Til sist: Kristelig Folkeparti støtter flere av enkeltforslagene i representantforslaget, men er uenig i den finansieringsordningen som Fremskrittspartiet her foreslår. Forslagsstillerne legger frem 27 forslag som de mener vil sikre en valgfri og verdig eldreomsorg for alle. Forslagsstillerne mener det er

Forslagsstillerne legger frem 27 forslag som de mener vil sikre en valgfri og verdig eldreomsorg for alle. Forslagsstillerne mener det er nødvendig med omfattende systemendringer for å møte Det bærende forslaget i dokumentet er å flytte finansieringsansvaret for eldreomsorgen fra kommunene og over til staten gjennom folketrygden. Dette vil innebære en drastisk omlegging av prinsippene for finansiering av de kommunale omsorgstjenestene. Jeg deler ikke forslagsstillernes tro på at flytting av finansieringsansvaret i seg selv vil medføre noen bedring av tilbudet eller øke kvaliteten i pleie- og omsorgssektoren heller tvert om. Etter min vurdering fører dagens system til at vi får tjenester som er best mulig tilpasset brukernes behov, dvs. et system der kommunene har ansvar både for å yte tjenester og for å finansiere dem. Mange eldre har flere diagnoser og et varierende funksjonsnivå. De som skal sørge for tjenestene, må være tett på den enkelte bruker. Jeg har tillit til at det er kommunene som best kan vurdere brukernes behov til enhver tid, selv om det også, som forslagsstillerne var veldig opptatt av, er klart at vi ser svikt i eldreomsorgen og må forsterke og forbedre den der hvor den utføres i dag. Dagens modell med rammefinansiering er etter min vurdering det beste utgangspunktet for å sikre godt partnerskap mellom kommunene, pårørende og frivillig sektor. sektor. Dette partnerskapet skal vi videreutvikle. Jeg er derfor glad for at flertallet i komiteen er enig med regjeringen i at omsorgstjenestene også i fremtiden skal være forankret i kommunene. Det er kommunene som kjenner sine innbyggere best, og som er nærmest til å vurdere hva slags tjenester det er behov for. Vi er alle tilhengere av valgfrihet. Valgfrihet sikres best ved at den enkelte bruker har gode tilbud å velge imellom. Det viktigste er å bygge trygge og gode offentlige tjenester. Samtidig må vi sørge for reell brukermedvirkning. Det innebærer at brukerne må få makt, innflytelse og informasjon, så de kan velge mellom ulike tilbud. På generelt grunnlag vil jeg si at rettighetsfesting ikke er veien å gå. Det vil i så fall bety at spørsmålet om behov for tjenester fjernes fra brukeren og den som skal yte tjenestene, og over til rettsapparatet. Pleietrengende mennesker skal ha et best mulig tjenestetilbud. Det er vi enige om. Over 170 000 ansatte gjør en kjempeinnsats for å få dette til. Etter min vurdering får vi best kvalitet ved å bevilge nok penger til kommunene, og ved å satse på faglig utvikling og samhandling med brukerne. Kommunene har fått et betydelig økonomisk løft i vår regjeringstid. Veksten i antall årsverk i omsorgstjenesten viser også at kommunene tar ansvar. Vekst i de frie inntektene har gitt økt satsing på pleie- og omsorgssektoren. Hvert år bevilges betydelige midler til å bedre kapasitet, kompetanse og kvalitet i omsorgstjenesten, gjennom Omsorgsplan 2015. Representantene har mange forslag om forebyggende tiltak. Dette er et viktig satsingsområde og et hovedgrep i Samhandlingsreformen. Kommunene må imidlertid selv bestemme hvilke forebyggende tiltak de vil legge vekt på. Dette kan være forebyggende hjemmebesøk til alle over 75 år, eller å organisere innsatsen etter den danske Fredericia-modellen. Her gis eldre hjelp til selvhjelp slik at de kan klare seg lenger hjemme. Utviklingen av ny teknologi i omsorgssektoren er viktig. Hagen-utvalget overleverte i høst rapporten Innovasjon i omsorg. Rapporten inneholder en rekke spennende forslag til hvordan vi kan møte utfordringene i omsorgstjenesten. Rapporten har vært på bred høring og vil bli fulgt opp på egnet måte. Poenget er at endringene i måten å organisere tjenestene på må komme nedenfra. Dette sikres best med dagens modell – ved at kommunene har ansvaret for både å videreutvikle og å finansiere omsorgstjenestene. Det blir replikkordskifte. Fremskrittspartiet fremmer forslag om

Mener statsråden at nordmenn er så forskjellige fra dansker at det ikke er mulig å lære noe av de danske suksesshistoriene innenfor eldreomsorgen? Det er ikke slik at nordmenn er så veldig forskjellige fra dansker. Selv om vi er ganske forskjellige med hensyn til geografi, er vi ikke forskjellige som mennesker, det er jeg helt enig i. Jeg synes at det å ha veldig god idé og et veldig godt tiltak for veldig mange. Spørsmålet er om man skal lovfeste dette for absolutt alle over 75 år. Jeg synes faktisk det er ganske viktig at kommunene selv legger vekt på hvilke forebyggende tiltak de vil gjennomføre, som jeg er helt enig i er veldig viktig at man satser mer på for at flere skal kunne klare seg

om hjemmebesøk for å foreta en helsesjekk og vurdering av behov når en er fylt 75 år. Når kommunalministeren i en regjering mener at det er fornuftig å lovfeste en plikt for kommunene til å ha et sånt tilbud, hva er det da som hindrer helseministeren i å innføre Jeg synes jeg svarte på hva jeg mener om dette med hjemmebesøk. Jeg mener at det i mange sammenhenger er en veldig god idé for å hjelpe eldre til å klare seg bedre. Så spørs det om det er der man skal sette inn den forebyggende innsatsen, hvis man ikke har flust med ressurser – og kommunene må jo også prioritere personellet sitt av ressursmessige grunner. av ressursmessige grunner. Skal man gjøre dette for absolutt alle over 75 år? Skal man gå inn noen steder, eller skal noen kommuner velge å gjøre dette? Det er jo også kommuner i Norge som har valgt å legge vekt på hjemmebesøk. Jeg synes det er veldig positivt. Om det er 75 år eller 80 år – jeg tenker jo selv at veldig mange 75-åringer er veldig spreke og har ikke behov for hjemmebesøk fra kommunen, – jeg tenker jo selv at veldig mange 75-åringer er veldig spreke og har ikke behov for hjemmebesøk fra kommunen, mens veldig mange har det. Her må kommunene kunne gjøre en vurdering av hva de vil legge vekt på av forebyggende tiltak, for jeg er veldig enig i at forebygging er viktig. En undersøkelse som Norsk Sykepleierforbund nylig har kommet med, viser at at det faktisk er slik at bemanningen i sykehjemmene ikke er den reelle når det gjelder fagkompetansen til dem som er på jobb. Det er færre fagarbeidere og færre sykepleiere på jobb. Det kan ha å gjøre med at man ikke får fatt i fagutdannede vikarer. Vi har jo enormt høyt sykefravær i sykehjemssektoren. Når så regjeringen gjennom Samhandlingsreformen også innførte profesjonsnøytralitet, tilsier det at dette ikke uten videre er feil, at man gjerne kan ha så regjeringen gjennom Samhandlingsreformen også innførte profesjonsnøytralitet, tilsier det at dette ikke uten videre er feil, at man gjerne kan ha en bemanning som tilsier ganske få, kanskje ingen, fagarbeidere på jobb. Det synes jeg er veldig bekymringsfullt. Mitt spørsmål til statsråden, som tidligere har sagt at dette med profesjonsnøytralitet skal følges nøye, er da: Vil man også ta med denne problemstillingen når man skal vurdere om det bør innføres forskrift?

kan bare ta en sak som håndtering av medisiner, som er særdeles viktig i sykehjemmene, der tilsyn fra Helsetilsynet har vist at det er ett av de områdene hvor det er mest brudd, og hvor man også er mest sårbar. Så det å ha faglighet og kvalitet er avgjørende. Dette vil vi følge veldig nøye med på, for det er klart at det at man skal ha mulighet for å organisere seg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

som sikrer at pasienten, samtidig med fastsettelsen av en individuell frist for behandling, også gis informasjon om behandlingstid og behandlingssted, og som sikrer at det helseforetaket som har ansvar for å gi helsehjelpen, også får plikt til å informere HELFO umiddelbart dersom den individuelle behandlingsfristen ikke kan overholdes, får ansvar for å gi pasienten et behandlingstilbud. Pasienten skal informeres om dette på en forståelig måte og slik at det styrker muligheten for at pasientens rettigheter blir ivaretatt. Komiteen er delt i innstillingen, men en samlet komité deler forslagsstillernes bekymring om at verken praktiseringen av dagens system ved fastsettelse av individuell frist og innkalling eller praktiseringen av regelverket ved brudd på frist for nødvendig helsehjelp fungerer godt nok. Det er alle enige om. Også statsråden – i brev av 9. november 2011 – gir uttrykk for at hun deler forslagsstillernes virkelighetsoppfatning. Statsråden påpeker bl.a. at det er behov for å gjennomgå, og antakelig forbedre, regelverket vedrørende fastsettelse av individuell frist og innkalling av pasienter. Videre påpeker statsråden at departementet nå utreder ulike alternativer til nytt regelverk som passer for alle de ulike pasientforløpene. Forslaget fra representantene om at pasienten samtidig med fastsettelse av individuell frist for behandling også gis informasjon om behandlingstid og behandlingssted, vil bli vurdert i dette arbeidet. Regjeringspartiene peker i innstillingen på denne prosessen, igangsatt av departementet, og skriver at en slik gjennomgang er nødvendig. Derfor begrenser regjeringspartiene seg til å imøtese konklusjonene fra dette arbeidet, og foreslår at dokumentet vedlegges protokollen. Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti peker på at også Legeforeningen gir sin støtte til forslaget. Legeforeningen mener at disse tiltakene vil bidra til mer lik tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten og til å dempe sosial ulikhet i helse samt bidra til mer effektiv informasjonsflyt og bedre behandlingsforløp, også når den individuelle behandlingsfristen ikke overholdes. Fra de tre opposisjonspartienes side pekes det på at helsevesenet skal utformes på en måte som sikrer at alle pasienter får den behandling de har både krav på og rett til, og at regelverk og rutiner må tilpasses de store forskjeller som er mellom pasienters kapasitet og evne til å hevde sine rettigheter – noe som også er understreket i Legeforeningens høringsnotat til komiteen. Jeg tar med dette opp det forslaget som mindretallet har fremmet i innstillingen. Representanten Laila Dåvøy har tatt opp det forslaget hun refererte til. Med utgangspunkt i pasientrettighetsloven får pasienter som til. Med utgangspunkt i pasientrettighetsloven får pasienter som trenger det, en individuell frist for behandling fra sykehus. Hvis behandlingsfristen brytes, overtar Helseøkonomiforvaltningen ansvaret for å gi pasienten nødvendig helsehjelp, og dette skal pasienten få informasjon om. Forslagsstillerne mener det er etablert en for høy barriere for innfrielse av denne rettigheten. Dette fører etter forslagsstillernes mening til at rettigheten først og fremst kommer ressurssterke pasienter til gode. Forslagsstillerne mener videre at dagens system kan virke tungvint, og at det vil forenkle saksbehandlingen dersom pasienten får informasjon om behandlingstid og samtidig som fristen blir fastsatt. Forslagsstillerne mener også at det bør være sykehusets ansvar å ta kontakt med Helseøkonomiforvaltningen når sykehuset vet at det ikke er i stand til å innfri retten til behandling innenfor den medisinsk fastsatte tidsfristen. En samlet deler forslagsstillernes bekymring om at verken praktiseringen av dagens system ved fastsettelse av individuell frist eller praktiseringen av regelverket ved brudd på frist, fungerer godt nok. En samlet komité viser derfor i innstillingen til helse- og omsorgsministerens brev av 9. november 2011, der statsråden meddeler at hun deler forslagsstillernes slik den kommer til uttrykk i saksfremlegget, både hva gjelder praktisering av dagens system med fastsettelse av individuell frist, og hva gjelder praktiseringen av regelverket ved brudd på frist for nødvendig helsehjelp. Komiteen har merket seg at helse- og omsorgsministeren i brevet peker på at det er behov for å gjennomgå, og antakelig forbedre, regelverket i denne sammenhengen. Komiteen har videre merket seg at departementet nå utreder ulike alternativer til nytt regelverk som passer for alle ulike pasientforløp. Forslaget fra representantene om at pasienten samtidig med fastsettelse av individuell frist også gis informasjon om behandlingstid og -sted, vil bli vurdert i dette arbeidet. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet merker seg at forslaget om at sykehuset umiddelbart skal informere om fristbrudd til Helseøkonomiforvaltningen, vil kunne bryte med pasientenes selvbestemmelsesrett, og at det kan være problematisk ut fra bestemmelser om taushetsplikt. Flertallspartiene viser til statsrådens brev, som opplyser at det allerede er iverksatt et arbeid for å gjennomgå de forhold som tas opp i dette representantforslaget. Vi mener en slik gjennomgang er nødvendig, og imøteser konklusjonene fra arbeidet. På denne bakgrunn vil flertallet anbefale at dokumentet vedlegges protokollen.

Nok en gang viser en samlet opposisjon en alternativ kurs for norsk helsevesen, en kurs som forhåpentligvis blir gjeldende politikk i kongeriket etter 2013. For meg er det et paradoks når en samlet opposisjon foreslår enkle forslag for at pasientene skal få raskere og bedre tilgang til informasjon er ventet å være, og ikke minst hvor man kan få raskest behandling. Når en samlet opposisjon i Stortinget støtter en ordning med fritt sykehusvalg, skjønner ikke vi med vår beste vilje hvordan det er mulig å stemme imot et forslag som ville sikret pasientene grundigere informasjon som bakgrunn for å fatte sine valg. Videre er det grunn til å merke seg – som også representanten Dåvøy var innom – at Legeforeningen mener at forslagene som opposisjonen har fremmet, vil kunne bidra til å dempe sosiale ulikheter i helsetjenesten samt bidra til mer lik tilgjengelighet i spesialisthelsetjenesten. At partier som normalt sett hevder at de kjemper for mindre forskjeller, stemmer imot forslag som fagmiljøene opplever vil minske forskjellene blant folk flest, er uforståelig for meg. Er likeverdige helsetjenester, uavhengig av hvor du bor, hva du tjener, og hvem dine foreldre er, bare en floskel? Ikke for Fremskrittspartiet, ikke for opposisjonen og de borgerlige partiene, men for de rød-grønne fremstår det dessverre mer og mer som retorikk og slagord. Jeg har også merket meg at styreleder i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, i Aftenposten den 8. september i uttalte: «Derfor må pasientene si fra til sine behandlere hvis de ikke får en innkalling, eller oppdager at frister ikke blir overholdt.» Uten å drøfte uttalelsens kontekst skal jeg nøye meg med å påpeke at dette viser at systemet ikke fungerer som det skal, og at det er uholdbart at det skal være pasientens ansvar å holde oversikt over, purre på og følge opp helsevesenet, fordi rutiner ikke ivaretas. For øvrig er dette et uttrykk for de samme holdningene som vi registrerer hos dem i helseforetakene som mener at ventelister er ordrereserver – og til en i denne sal som fikk seg til å si at man har lukrative lidelser. Denne type uttalelser sier veldig mye, ja så altfor mye. Fremskrittspartiet vil sette pasientene foran systemene. For oss er systemene et virkemiddel og ikke et mål. Vi håper derfor at helseministeren vil være mer velvillig enn de rød-grønne politikerne på Stortinget har vist seg å være, og på den måten vil bidra til å sikre intensjonene i forslaget gjennom pasientrettighetsloven. Jeg håper på vegne av pasientene at regjeringspartiene gjør det de har gjort flere ganger tidligere, nemlig å fremme forslagene selv etter at de har nedstemt dem i Stortinget. For oss er tilbudet det viktigste, og om regjeringen senere foreslår dette, er det faktisk bra. Men noen har da ikke fått sine pasientrettigheter fordi politisk taktikkeri er viktigere for denne regjeringen enn pasientenes ve og vel. Jeg har lyst til helt på tampen bare å sitere forslagene for å illustrere hva man egentlig sier nei til i dag. Det første forslaget for å illustrere hva man egentlig sier nei til i dag. Det første forslaget er «a) at pasienten samtidig med fastsettelse av en individuell frist for behandling også gis informasjon om behandlingstid og -sted». Det å få den informasjonen mener de rød-grønne ved å si nei i dag ikke er nødvendig. Videre foreslås det «b) at det helseforetaket som har ansvar for å gi helsehjelpen, også får plikt til å informere

et avreisetidspunkt, en dato og et klokkeslett å forholde seg til. Det samme gjør vi hvis vi bestiller time hos tannlegen eller bestiller time til kjæledyret vårt hos en veterinær: En får et klokkeslett og en time. Men er en pasient og har en så alvorlig lidelse at en har rett på en individuelt fastsatt tidsfrist for behandling, får de fleste et brev i posten som forteller dem at de i løpet av en måneds tid, eller den måneden de skal komme inn, vil få en innkallelse til et tidspunkt på det nærmeste sykehuset. Det er ingen grunn til at en ikke også her skal kunne få et eksakt tidspunkt å forholde seg til og dermed vite når en skal inn til behandling, og ikke minst vite om ens rettighet blir fulgt opp. Dette forslaget

for de borgerlige partiene i mange år, og rettighetene ble innført da en fikk en borgerlig regjering. Erfaringene tilsier at ordningen er viktig. Den er god, men den fører til en del forskjeller, nemlig mellom dem som følger opp sin rettighet, tar kontakt med HELFO, finner fram i dette systemet, og dem som av ulike grunner ikke gjør det. Men det er ikke tvil om at kjennskap til systemet, en god fastlege, utdannelsesnivå osv har betydning for om man faktisk får oppfylt sine rettigheter. Det er veldig spesielt at en har en lovfestet rett som en i så stor grad selv må ta ansvaret for blir fulgt opp. Det er noe som en ikke kjenner

eller i utlandet, slik retten for pasienten faktisk er. Det å bruke pasientens selvbestemmelsesrett og taushetsplikt som et argument mot denne ordningen, mener vi er å bruke argumenter som ikke holder. Det er fullt mulig både for Stortinget eventuelt å foreta justeringer i lovverket og for regjeringen å justere forskrifter som gjør at en ivaretar disse hensynene, som vil reservere seg mot en slik ordning – en mulighet til å si nei, jeg vil ikke bli hjulpet videre til en behandling. Det virker noe spesielt, men det kan kanskje tenkes at denne pasienten finnes, og da burde det være mulig å ivareta. Hvis en ikke gjør dette, vil en fortsette med et system som bygger opp under et helsevesen med større sosiale skiller. Det burde en ikke gjøre. En burde stemme for disse forslagene. Men igjen, som også representanten Olsen var inne på: Denne saken viser at det går et politisk skille i Norge mellom de borgerlige partiene, dagens opposisjonspartier, som alltid har gått foran og dagens regjeringspartier, som alltid har slåss for systemet og systemets rettigheter. Det viktigste for meg er

og at helsetjenesten etterlever gjeldende lover og regler. Men regelverket skal ikke erstatte de helsefaglige vurderingene. Dagens system, som ble innført i 2004, med å fastsette individuell frist og innkalle pasienter, fungerer ikke godt nok. Jeg deler forslagsstillernes syn på det. Det er behov for å gjennomgå regelverket og utvikle et bedre system. system. I høringsnotatet til den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester reiste også departementet spørsmål om de aktuelle bestemmelsene i pasientrettighetsloven ivaretar formålet godt nok. Etter oppsummeringen av høringsuttalelsene har departementet funnet grunn til å se nærmere på disse bestemmelsene. Dette ble varslet i den nye helse- og omsorgstjenesteloven. Det er vanskelig å lage et regelverk som skal passe for alle typer pasientforløp. Departementet utreder derfor flere alternativ. Vi vil også vurdere forslaget om at pasienten skal få informasjon om behandlingstid og -sted samtidig som de får fastsatt en individuell frist. Regelverket ved brudd på frist for nødvendig helsehjelp praktiseres heller ikke tilfredsstillende. Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for at pasientene i bostedsregionen skal tilbys den nødvendige helsehjelp. helsehjelp. Denne plikten gjelder også etter at den individuelt fastsatte fristen er brutt. Dersom det viser seg at helseforetaket ikke kan oppfylle rettigheten innenfor denne fristen, plikter foretaket å skaffe pasienten et annet behandlingstilbud, offentlig eller privat. Det kan helseforetaket gjøre selv eller ved hjelp av HELFO. HELFO. HELFO har plikt til å bistå pasienten med å få oppfylt rettigheten fra det tidspunktet fristen er brutt. Men det betyr ikke at helseforetakenes ansvar for å skaffe behandlingstilbud bortfaller. Jeg er ikke fornøyd med hvordan de regionale helseforetakene har fulgt opp denne plikten. Jeg ser derfor at det er behov for å tydeliggjøre dette ansvaret i enda større grad. Helseforetakene har også plikt til å sørge for at pasienten får den informasjon som er nødvendig for å ivareta rettighetene sine, og ikke minst for å kunne gjennomføre sin behandling på best mulig måte. Informasjonen skal være tilpasset pasientens forutsetninger og gis på en måte som pasienten kan forstå. Det holder ikke at pasienten får et generelt skriv om rettigheter ved tildeling av individuell frist for prioritert helsehjelp. helsehjelp. Dersom foretaket ikke klarer å skaffe nødvendig behandling innen fristen, må de straks informere pasienten om dette. Videre må pasienten få informasjon om hvilke konsekvenser dette har, og hvilke rettigheter han har i den forbindelse. God informasjon er grunnleggende for at pasientene kan ivareta sine rettigheter. I 2010 kom det også opp spørsmål om pasientene fikk god og tydelig nok informasjon om pasientrettighetene fra sykehusene. Jeg fant det nødvendig å klargjøre dette ansvaret overfor de regionale helseforetakene i brev av 20. september 2010. Ansvaret for å sørge for helsehjelp ligger, som sagt, hos de regionale helseforetakene også etter at den individuelle fristen er brutt. Slik må det fortsatt være. HELFO er et tilbud til pasienten som han kan velge å benytte seg av. Det at pasienten har et tilbud om å få bistand fra HELFO, fritar ikke de regionale helseforetakene for deres ansvar. Det bør også være pasienten selv som avgjør om HELFO skal involveres. Jeg vil følge opp overfor de regionale helseforetakene at dagens regelverk skal etterleves, og vil vurdere om det er behov for å endre regelverket for å gjøre det mer Det blir replikkordskifte. Jeg tviler faktisk ikke på statsrådens intensjoner, men både fra de rød-grønne partier i denne salen og i brevet fra statsråden understrekes det at man skal «gjennomgå» regelverket. I innlegget som vi nettopp hørte, hadde man et behov for både å gjennomgå, se nærmere på, ha høringer og også ha en del utredninger. Da har jeg et spørsmål, og jeg skal konsentrere meg om første del av forslaget fra opposisjonen der det står at pasienten, samtidig som samtidig som han får beskjed om at han skal på sykehus, også skal få informasjon om tid og sted – hvilket sykehus og når. Mitt spørsmål til statsråden blir da: Hvor lange og hvor mange utredninger trenger man for å finne ut om det hadde vært en fordel om pasienten også fikk greie på på hvilket sykehus og når han skal få operasjonen sin? Det er alltid en fordel at pasienten får god informasjon så tidlig som mulig, gjerne ved første besøk – om hele behandlingsforløpet. Like fullt er det ganske komplisert å lage helt enkle regler for dette, fordi det kan være komplekse tilstander. Det er ikke som å bestille en togreise, som representanten Høie sa i innlegget sitt. Det er ikke alltid at det er like enkelt. Derfor har vi satt i gang et arbeid for dette. Vi varslet det i forbindelse med lovverket om den nye kommunale helse- og omsorgstjenesteloven, for vi ser at den informasjonen og det systemet som er i dag, ikke nødvendigvis fungerer godt nok. Men det er omfattende å gjøre endringer i dette. Vi har satt i gang et arbeid i Helsedirektoratet, vi skal gå igjennom og se på for hvor lang tid det tar fra henvisningene kommer, hvordan informasjonen gis osv. Og så vil vi jobbe videre med dette, for vi ønsker selvfølgelig at den enkelte pasient skal få så god informasjon som mulig. Mens direktoratet jobber, er både Helse Vest og Helse Midt-Norge i ferd med å innføre dette i sine helseregionale krav. Hva er begrunnelsen for at ikke Stortinget i innføre dette i sine helseregionale krav. Hva er begrunnelsen for at ikke Stortinget i dag skal få vedtatt at dette er en målsetting som vi pålegger at regjeringen skal jobbe for at skal gjelde for alle helseforetakene, slik at pasientene i Norge får et likt tilbud, noe som jo var hovedhensikten med den store helsereformen der staten fikk ansvaret for spesialisthelsetjenesten? Her ber opposisjonen regjeringen om å lage en forskrift som sikrer at dette blir slik i hele landet. Hva er begrunnelsen for at statsråden anbefaler sine partikollegaer å stemme ned dette forslaget i dag, når statsråden åpenbart er enig i at dette bør blir resultatet? Jeg er enig i at systemet ikke alle steder fungerer godt nok i dag. I noen tilfeller gjør det det, og jeg er veldig glad for dem som jobber akkurat med denne problemstillingen, for det å gi pasientene god informasjon er helt avgjørende. Når jeg så hvor dårlig informasjon man fikk, f.eks. med brudd på fristen for behandling i 2010, gjorde jeg i hvert fall det jeg kunne for å få informasjonen bedre ut til pasientene. Så ser vi likevel at dette skaper forvirring – det at man har individuelle frister, det at det er en vurderingsfrist, og det at vi også jobber med å få gode behandlingsforløp. Alle disse tingene må ses i sammenheng. Målet er å gjøre det enklere, bedre for pasientene og mer forutsigbart, slik at de vet hva de har å forholde seg til når de har en lidelse og trenger behandling. Jeg synes at helseministeren gjør dette utrolig vanskelig – ja det høres ut som det er veldig vanskelig. Hvis vi alle sammen vil at pasienten skal få vite behandlingssted og behandlingstid – jeg føler egentlig at helseministeren også ønsker det og mener at det ville være riktig å gjøre – da må det jo være slik at vi her i Stortinget kan ta den beslutningen og si: Ja, det vil vi faktisk, og så går vi hjem og ordner regelverket i forhold til det. Så det er helt ubegripelig for meg at man først skal utrede, og så skal man se om man likevel skal gjøre det. Det er helt ufattelig! Hva er problemet, helseminister? Går det ikke an å si ja til dette, og så går vi hjem, og så ordner vi regelverket slik at det ikke strider mot taushetsplikten, slik at det ikke er problematisk i forhold til selvbestemmelsesretten. Det går det jo an å ordne? Med tanke på representanten Dåvøys bakgrunn er det litt underlig at hun ikke også ser at dette er litt annerledes, at man ikke

altså de regionale helseforetakenes – ansvar å gi den rette behandlingen til pasientene. Men jeg er opptatt av at informasjonen skal bli bedre, at behandlingsforløpet skal bli mer forutsigbart. Derfor har vi jobbet med dette i forbindelse med kreft – som har vært mye omtalt, mye diskutert i Stortinget – og derfor er vi også opptatt av å få til et informasjonssystem til pasienten, som alle forstår kan være bra for pasienten videre.

innstilling i saken, og jeg tar herved opp de forslagene som ligger der. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.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

det skal være uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske forhold. Erfaringene fra land med privatisering og markedsstyring av viktige velferdsområder har tydelig vist at dette fører til ulikhet og uønskede skiller i befolkninga. Det er derfor svært viktig å sikre at vi har gode offentlige fellesløsninger i helse- og omsorgssektoren, slik at alle innbyggere sikres likeverdige og gode tjenester. Så er vi enig i at private tilbydere, og da spesielt ideelle aktører, utgjør et viktig supplement i helse- og omsorgssektoren. Vi er også enig i at det er viktig å ha gode og forutsigbare rammer for aktører som samarbeider med det offentlige om å levere ulike velferdstjenester. Derfor har regjeringa lagt opp til mer fleksible rammevilkår med større langsiktighet når det gjelder offentlige anskaffelser. En samlet komité slutter seg til dette. Det er spesielt gledelig at regjeringa vil styrke samarbeidet med ideelle aktører, og at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet viderefører dialogen med ideelle organisasjoner med sikte på å inngå en samarbeidsavtale om overordnede prinsipper for et enda bedre samarbeid framover. I rapporten Innovasjon i omsorg, som er nevnt her tidligere i dag, og som det regjeringsoppnevnte er ideelle og frivillige aktører nevnt som særlig viktige samarbeidspartnere for framtidas offentlige omsorgstjeneste. Forslagsstillerne bak dette Dokument 8-forslaget bruker mye tid på å framheve kvinnelige gründere. Det synes jeg er flott. Kvinnelig gründerskap er svært viktig for at vi skal ha gode velferdstjenester. Men jeg vil gå i rette med høyrepartienes formodning om at kvinnelig gründerskap er forbeholdt privat kommersiell virksomhet. Det skjer faktisk fabelaktig mye godt gründerskap hos de mange kvinnene som er i sving i offentlig og ideell velferdsproduksjon. Det er kvinnelig gründerskap på sitt beste når åtte kommuner i Vestfold innfører ny samhandlingsteknologi i kommunal pleie og omsorg. Det er kvinnelig gründerskap og god innovasjon når Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har fått med pleie- og omsorgssektoren i alle kommunene i Universitetssykehuset Nord-Norge sitt nedslagsfelt for å utvikle en felles IKT-plattform, der man kan kommunisere digitalt med både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i regionen. Og det er kvinnelig gründerskap av beste merke når driftige kulturkvinner i Tromsø utarbeider et musikkprosjekt som nå skal inngå et samarbeid med den kommunale eldreomsorgen, og hvor oppgaven er å ivareta og utvikle demente menneskers kognitive restevner. Som kjent er musikk et godt egnet redskap til å gjøre nettopp det. Derimot har jeg litt vanskelig for å se at de kvinnelige gründerne forslagsstillerne snakker så varmt om, blir særlig tilgodesett i et regime med utstrakt privatisering og konkurranseutsetting. I flere land ser vi at slik praksis tvert imot favoriserer store, internasjonale konsern, som nå er tungt inne i helse- og omsorgssektoren i mange land – og som gjerne har adresse i et eller annet skatteparadis. Så er faktisk også tilfelle her i landet, f.eks. i Oslo, der Fremskrittspartiet og Høyre i flere år har drevet utstrakt konkurranseutsetting av sykehjemsdrifta. Det er store konsern som Adecco, Aleris, Attendo, Carema og Ideelle aktører som Frelsesarmeen og Bymisjonen har i møte med oss på Stortinget fortalt at de har store problemer med å klare å drifte sykehjem i Oslo, all den tid de skal måles mot disse store, kommersielle selskapene, som konkurrerer på å yte lav pensjon og betydelig lavere gjennomsnittslønn til de ansatte enn det offentlige og ideelle tilbyr. Jeg tror ikke at enkeltstående kvinnelige gründere eller andre små tilbydere har noen særlig sjanse til å lykkes i et såpass tøft konkurranseklima. Dette Dokument 8-forslaget viser viktige forskjeller på rød-grønn politikk og det høyrepartia står for. Vi vil at private, og særlig ideelle aktører, skal være et viktig supplement som samarbeidspartnere i

og kortsiktighet i stedet for langsiktighet. Det er mye av erfaringen fra dagens regime. Kristelig Folkeparti mener generelt at omsorgstjenestene er lite egnet for kommersiell drift, men avviser ikke kategorisk at det kan være et supplement. Jeg merker meg at departementet vil vurdere ulike tiltak for å imøtekomme de ideelle aktørenes behov, og jeg er enig i at dette er svært viktig. Representantforslaget skjelner ikke mellom private kommersielle og private ideelle Kristelig Folkeparti mener derimot at nettopp en slik skjelning er viktig både fordi disse aktørene har ulike egenskaper, og fordi de har ulike forutsetninger. Kristelig Folkeparti ønsker at de ideelles rolle, kompetanse og særpreg skal verdsettes aktivt. Ideell sektor har en selvstendig egenverdi, og det er en politisk oppgave å sikre at sektoren bevares. De ideelle aktørene skal møtes med respekt, og de skal sikres rammevilkår som er stabile og forutsigbare. Kristelig Folkeparti vil videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor og ideelle organisasjoner for å bedre tjenestetilbudet til befolkningen. Med et økende behov for pleie- og omsorgstjenester – og økende krav til kvalitet og innhold – vil behovet for en samhandling med ideelle og frivillige organisasjoner være økende i årene som kommer. Et hovedpunkt i å sikre de ideelle organisasjonene langsiktige og forutsigbare rammebetingelser er at samtlige pensjonskostnader må dekkes fullt ut, også historiske kostnader. Alle kontrakter som inngås, må slå fast at oppdragsgiver, som i sin tid påla offentliglike pensjonsordninger, også dekker de fremtidige reguleringspremiene denne pensjonsordningen medfører, dersom kontraktene avsluttes. Løpende avtaler med ideelle tjenesteleverandører må utvides til å gjelde flere, og det eksisterende handlingsrommet må benyttes, slik at flest mulig innkjøp av helse- og sosialtjenester skjer gjennom direkteanskaffelser fra ideelle aktører. Langsiktige og løpende avtaler må inneholde gode og relevante kriterier og krav samt retningslinjer for nødvendige justeringer underveis. Kostnadsøkninger som partene ikke kan kontrollere

av den samlede virksomhet i omsorgssektoren blir organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025. Det er et viktig punkt. Det er en god anbefaling, og jeg vil understreke at det må være et mål å øke de ideelle aktørenes andel av omsorgstilbudet i fremtiden. Det er mange gjenstående utfordringer på dette området. Arbeidet med bedre rammevilkår for ideelle aktører må fortsette. Mange virksomheter er i dag i en akutt situasjon, noen er blitt nedlagt, og flere vil kunne bli nedlagt i løpet av kort tid. Derfor må tiltak iverksettes raskt for å forhindre at de ideelle aktørenes andel av omsorgstilbudet blir enda mindre i tiden som kommer. Jeg er glad for det arbeidet regjeringen har satt i gang, men jeg er redd for at det tar for lang tid. Jeg er også bekymret

Men vi er alle enige om at det er et offentlig ansvar å sørge for en rekke av omsorgsoppgavene. De politiske skillelinjene går på om det offentlige skal ha monopol, eller tilnærmet monopol, på selve tjenesteutførelsen. Fremskrittspartiet har en pragmatisk tilnærming til akkurat den siden av saken. For Fremskrittspartiet er det av underordnet betydning om det er en offentlig virksomhet, en ideell organisasjon, eller et privat foretak som leverer tjenesten. Det som er vesentlig, er at tjenesten holder den etterspurte kvalitet og er av det omfang som det offentlige har bestilt. Oppfylles kvalitet og omfang i forhold til bestillingen, vil Fremskrittspartiet også kunne glede seg med bedriftens eiere og ansatte, hvis bedriften i tillegg klarer å skape et økonomisk overskudd som kan investeres i videre oppbygging av bedriften, eller kanskje til og med gi eierne som har risikert sin egenkapital, et utbytte. Fremskrittspartiet tar utgangspunkt i tjenestemottakerens behov. Vi vet at monopoler i liten grad tjener brukerne. Vi mener at sunn konkurranse er et godt virkemiddel som bidrar til å løfte kvaliteten og setter fokus på hva som er fornuftig bruk av økonomiske midler. Regjeringens motstand mot konkurranse bunner, etter min oppfatning, i en foreldet ideologi. Vi hører argumenter om at det kun er gjennom å gi ansatte dårligere lønns- og arbeidsvilkår at de private kan spare penger. Det er feil. Mange firmaer sparer store penger på god organisering, høy effektivitet og korte kommandolinjer. De fleste i komiteen er også kjent med Telemarksforsknings undersøkelse av helse- og omsorgstjenester, som viser at selv om faglært arbeidskraft er dyrere enn ufaglært, blir kostnadene lavere for arbeidsgiver når andelen faglærte øker. Årsaken er at den faglærte arbeidskraften er mer produktiv. Med andre ord kan kostbare ansatte gi billigere tjenester. I innstillingen viser jeg til et sitat fra den tidligere sosialdemokratiske finansministeren Kjell-Olof Feldt, som understreker behovet for konkurranse som en vesentlig forutsetning for å bevare velferdsstaten og velferdstilbudene. Det er kloke ord som den norske regjeringen også burde merke seg. De fleste vet at vi aldri hadde nådd full barnehagedekning om det ikke var for at vi slapp til alle gode krefter, både offentlige, private og ideelle virksomheter. Det er også interessant å merke seg at undersøkelser har vist at foreldrene er mer fornøyd med tilbudet som gis i private barnehager, enn i de kommunale. Det burde jo være en spore for de kommunale aktørene til å finne ut hva de kan gjøre bedre, og at de legger seg i selen for å bli best ved neste korsvei. Fremskrittspartiet mener regjeringens retorikk og tilnærming til private og ideelle tjenesteleverandører er en direkte trussel mot velferdssamfunnet. Fremskrittspartiet har tidligere pekt på at vi risikerer å miste en rekke leverandører i løpet av Nå rammer også dette barnehagetilbudet, hvor kommunene overhodet ikke har et økonomisystem som kan håndtere den finansieringsordningen regjeringen har lagt opp til, og resultatet blir kvalitetssenkning av tilbudet med lavere bemanning, færre vikarer og dårligere lønn til ansatte. Vi ser også at en rekke kvinner ønsker å starte sin egen bedrift innenfor omsorgsfagene. De ser et marked. De ser at mange etterspør langt flere tjenester enn det det offentlige leverer, og de ser en etterspørsel etter tjenester av bedre kvalitet. De mener selv de kan levere nettopp dette. For mange kan det være et alternativ til å gå årevis i en deltidsstilling som ikke gir lønn nok til å leve av, og med utsikter til kun å bli minstepensjonist når et langt yrkesliv er over. Men politikken regjeringen fører, gjør at det er nesten umulig å starte en slik omsorgsbedrift, fordi det offentlige ikke ser på en slik virksomhet som et positivt supplement som det offentlige også i gitte tilfeller kan trekke veksler på. De blir betraktet nærmest som et hår i suppen. På denne måten hindres omsorgsfeltet. I realiteten er det en direkte kvinnefiendtlig politikk som føres. Etter en lang politisk kamp har vi her i landet fått på plass en generell kompensasjonsordning som var ment å skulle nøytralisere de konkurransevridende effektene merverdiavgiften kan gi opphav til, når det offentlige utfører oppgavene selv, eller om de kjøper dem fra private. Vi ser dessverre nå at regjeringens negative holdninger til private har forplantet seg langt nedover i forvaltningen. Når skattemyndighetene stiller spørsmål om hvorvidt pasienter på private sykehjem som kommunen har avtale med, har rettskrav på sykehjemsplass som kommer inn under refusjonsordningen, er det så en må klype seg i armen og lure på hvor denne galskapen skal ende. Fremskrittspartiet har foreslått å lovfeste retten til sykehjemsplass, regjeringspartiene har nøyd seg med å videreføre begrepet om at kommunene skal sørge for nødvendig helsehjelp. Når kommunene da fatter et enkeltvedtak om sykehjemsplass for en pasient, kan ikke skattemyndighetene være de som skal overprøve den faglige vurderingen kommunen har gjort, bare fordi kommunen velger å kjøpe tjenesten fra en privat eller ideell leverandør. Det ligger en innbakt motvilje og skepsis mot private leverandører i den offentlige forvaltningen, og det er skremmende. Her må regjeringen rydde opp snarest. Jeg håper at statsråden ser det og forfølger den problemstillingen, uansett utfallet av voteringen. Jeg vil likevel ta opp forslaget i innstillingen. Representanten Jon Jæger Gåsvatn har tatt opp det forslaget han refererte til. Hver eneste dag gjør ansatte i både privat sektor, i ideelle organisasjoner og

Regjeringens forsvar av offentlige fellesskapsløsninger er ikke et angrep på små private aktører. Det er et forsvar av ordninger som sikrer at alle får et likeverdig tilbud, uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Det er kommunene som har ansvar for å finansiere og yte nødvendige og forsvarlige omsorgstjenester. Den enkelte kommune står fritt til å levere tjenestene selv, kjøpe tjenestene av private eller en kombinasjon av dette. dette. Private må derfor ha en avtale med kommunen. Private står selvsagt fritt til å etablere og tilby omsorgstjenester. Vi mener ikke at private er en trussel mot velferden. På flere viktige samfunnsområder utgjør private et viktig supplement til offentlige tjenester, men erfaringer fra land med stort innslag av private viser at når markedet får ansvar for å løse de store oppgavene, som omsorg og skole, skapes det skiller mellom dem som har råd til å kjøpe bedre tjenester, og dem som ikke har det. Regjeringen vil ikke forsterke et slikt skille. Vi vil forsterke, forbedre og fornye de offentlige velferdsordningene. Frivillig sektor yter betydelige bidrag til samfunnet av økonomisk, menneskelig Regjeringen fører derfor en aktiv frivillighetspolitikk. Vi har en rekke ordninger som støtter opp under sektoren, som f.eks. momskompensasjon og andre statlige tilskudd. Leverandører som bidrar til velferdsproduksjon, skal ha forutsigbare avtalevilkår og arbeidsforhold, og samtidig skal vi stille klare krav til kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår. Handlingsrommet i lov og forskrift om offentlige anskaffelser og rammene i EØS-avtalen må brukes slik at de ideelle kan være bidragsytere til offentlige tjenester. Regjeringen ønsker å formalisere samarbeidet med de ideelle organisasjonene som er tjenesteleverandører. Vi inviterer derfor til en dialog med sikte på å inngå en samarbeidsavtale om de overordnede prinsippene for et godt samarbeid. Vi ønsker at dialogen skal føre til etablering av et kontaktforum mellom regjeringen og de ideelle organisasjonene. Regjeringen oppfordrer også kommunene til å inngå tilsvarende samarbeid. Regjeringen har gjort regelverket for investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser mer fleksibelt. Nå kan kommunene selv avgjøre om de ønsker å inngå avtaler med frivillige organisasjoner, boligbyggelag, private omsorgsfirma eller andre for å skaffe heldøgns omsorgsplasser på ordinære Kravet om langsiktige avtaler på 30 år sikrer at tilskuddet blir benyttet til formålet. Kommunene kan fortsatt samarbeide med ideelle aktører for å skaffe heldøgns omsorgsplasser. I NOU 2011:11, Innovasjon i omsorg, var ideelle aktører på omsorgsområdet et tema. Hagen-utvalgets utredning har skapt stort engasjement. Vi har fått inn 140 høringssvar fra brukerorganisasjoner, kommuner, fagforeninger, frivillige organisasjoner, næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljøer. Hagen-utvalget har vært opptatt av å ta vare på og mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser. Det kan være den enkeltes ressurser eller ressurser i familie, lokalsamfunn eller i ideelle organisasjoner. Utvalget foreslår derfor flere tiltak knyttet til frivillighet og ideell virksomhet Hagen-utvalget peker også på næringslivet og det sterkt voksende seniormarkedet, som berører alle bransjer. På omsorgsfeltet peker de spesielt på utviklingen av velferdsteknologi og befolkningens behov for å tilpasse egen bolig til alderdommen og fornye en stor del av bygningsmassen i omsorgstjenesten. Høringen viser stor oppslutning om hovedlinjene i innstillingen, og jeg vil nå vurdere hvordan Hagen-utvalgets innstilling skal følges opp videre.

en bruker de samme aktørene når det tilbys barnevernstilbud til de mest utsatte barna i barnevernet, en bruker private, kommersielle aktører for å sikre full barnehagedekning, til å gjennomføre røntgenundersøkelser, laboratorieundersøkelser, operasjoner osv. Det er veldig vanskelig å forstå hvor grensen til Arbeiderpartiet går når det gjelder bruken av disse såkalte internasjonale kommersielle aktørene om grensen går ett sted, eller om den går mellom retorikk på den ene siden og praksis på den andre siden. Dette forslaget dreide seg om rammebetingelser for private omsorgsbedrifter. For regjeringen er det viktig at vi skal ha en god omsorgstjeneste i Norge. Vi har et lovverk som gir kommunene adgang til å gjøre dette i egen regi, eller benytte ideelle eller private aktører. Det som er viktig i hele omsorgssektoren, er at det offentlige har et sterkt ansvar, og at det offentlige også bygger ut tilbudet sitt, slik at vi kan ha et likeverdig tilbud i hele landet. Det er også sånn at det innenfor helsevesenet er mange aktører som man kan si er selvstendig næringsdrivende, og som vi er avhengig av. Representanten Høie nevner selv røntgen og en del andre aktører, som vi er helt avhengig av for å kunne få helsevesenet til å gå rundt. Det betyr ikke at ikke basis i helsevesenet i Norge er et offentlig helsevesen. Slik mener regjeringen det skal være, men private er et godt supplement.

Dette må skje, slik jeg ser det, og slik jeg har oppfattet statsråden. Hvis ikke dette blir gjort, er jeg redd de ideelle institusjonene rett og slett ikke vil våge å gå inn i nye avtaler. Jeg kan ikke gå inn og kommentere forhandlinger som pågår. Men det jeg sa i innlegget mitt, og som jeg er veldig opptatt av, er at ideelle organisasjoner som yter tjenester, også må være i stand til å tilby samme lønns- og avtalevilkår som andre gjør. At vi har gode rammebetingelser for ideelle aktører, er viktig. For jeg er helt enig med representanten Dåvøy i at ideelle organisasjoner i stor grad ofte har en merverdi fordi de yter tjenester med et kanskje større initiativ fra frivillig sektor i forhold til det man ofte klarer å se i det offentlige. Derfor er jeg også initiativ fra frivillig sektor i forhold til det man ofte klarer å se i det offentlige. Derfor er jeg også glad for at helseforetakene har inngått avtaler med ideelle organisasjoner. Vi ser det spesielt på rusfeltet, hvor vi faktisk er veldig avhengig av disse institusjonene. Jeg er selvfølgelig opptatt av at vi skal ha forutsigbare rammevilkår, slik at vi kan ha et godt samarbeid også fremover. Da er replikkordskiftet omme.

salter pengene sine ned på Cayman Islands, i Sveits og på Jersey. Men jeg vet at mange offentlige aktører, både stat og kommuner, handler med disse konsernene. Poenget mitt var ikke å si at det bare er elendighet i det arbeidet de gjør. Tvert imot, mange av dem gjør et bra arbeid, sjøl om vi også har sett eksempler på det motsatte. Mitt poeng var at vi har en stor grad av konsernifisering innenfor helse- og omsorgstjenestene. Det ser vi internasjonalt, og det ser vi her. Det er uheldig at disse aktørene kommer så sterkt inn og er så tungt inne i f.eks. eldreomsorgen. Da er mitt råd at høyrepartiene ikke hele tida snakker om at dette er en arena for kvinnelige gründere og små aktører. I den grad de kommer inn, fyker de veldig fort ut igjen – ved første anledning – fordi markedets logikk gjør at du får disse tunge, store aktørene i helse- og omsorgssektoren. Det er mitt poeng. Disse store aktørene har en tøff utbyttepolitikk. utbyttepolitikk. Da stiller jeg meg spørsmålet, og jeg stiller det gjerne videre til andre: Er det noe i eldreomsorgen som tilsier at det er et rasjonale å ta ut og hente inn som utbytte? Nei, det er ikke det. Utgiftene i eldreomsorgen går til lønn, pensjon og gode arbeidsvilkår for de ansatte. ansatte. Skal man rasjonalisere noe for å ta ut utbytte, må man ta det her. Jeg har et brev fra byrådet i Oslo, datert 12. mars i 2010, hvor de sier at en stor kommersiell aktør som har lav pensjon til de ansatte, tjener 35 mill. kr på et middels stort sykehjem sykehjem i løpet av en anbudsperiode. Den lave pensjonen til kvinner som jobber på dette sykehjemmet, utgjør 35 mill. kr som går til kontoen på Cayman Islands eller Jersey. Det er et regime jeg er imot. imot. Da anbefaler jeg at man ikke driver og snakker om at det er kvinnelige gründere man vil ha inn her, for kommersialiseringa understøtter ikke det. I

det burde være en mulighet for statsråden også å få tak i akkurat dette. Dette er noe hun absolutt bør ta opp med finansministeren. Skatt vest vil nå ikke gi momskompensasjon for sosialtjenester som utføres av ideelle aktører. De stiller også omfattende dokumentasjonskrav til om pasienter som legges inn på Bergen Røde Kors Sykehjem, har et rettskrav på en sykehjemsplass. Dette blir mye merarbeid for kommunen når de må prøve å definere sitt eget enkeltvedtak. Vi ser at Bergen kommune nå frykter for Indremisjonshjemmet, som er et midlertidig botilbud med døgnbemanning, for Bakkegaten, som Frelsesarmeen driver, som er et midlertidig botilbud med døgnbemanning – de skatter riktignok til Skatt øst – Stiftelsen Helgeseter, et bo- og avlastningssenter for utviklingshemmede, Fayehagen, som Norske Kvinners Sanitetsforening driver for multifunksjonshemmede barn. Her er det pågående store stridigheter mellom kommunen og Skatt vest, hvor man graver seg ned i om kommunen faktisk har fattet vedtak som gir rettskrav til et slikt tilbud. Dette må det ryddes opp i!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

Det kan medføre en stor belastning; mange opplever tretthet, smerter i skulder og arm, depresjon og langvarige psykososiale problemer. Nedsatt selvfølelse, søvnproblemer og angst er ikke uvanlig. For kvinner handler dette om identitet, det handler om å få satt punktum for kreftperioden og å få en bedre livskvalitet. Foreningen for brystkreftopererte har sagt det slik: To bryster er ikke luksus, Rekonstruksjon av bryst er en svært viktig faktor for å bidra til helse, velvære og et godt og fullverdig kvinneliv. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten mener at rekonstruksjon skal være en del av tilbudet for brystkreftopererte i Norge. Helsedirektoratet har i sitt arbeid med nasjonale retningslinjer for brystkreft lagt dette til grunn. Det er en uakseptabelt lang ventetid for rekonstruksjon. Helsedirektoratet har opplyst at ca. 750 kvinner har behov for rekonstruksjon årlig. Mange kvinner har ventet opp til sju–åtte år. En samlet komité er enig i at ventetiden er uakseptabelt lang, og at det medfører en betydelig belastning for kvinnene. Det er for liten kapasitet og begrenset tilgang til kompetanse i det offentlige. Derfor må tilbudet når det gjelder rekonstruksjon, økes betydelig. Brystrekonstruksjon skal inn i handlingsprogrammet for kreft under retningslinjene for brystkreft. Uenigheten mellom regjeringspartiene og opposisjonen ligger i hvordan dette skal skje, hvilke rettigheter kvinnene skal ha, og hvor raskt rekonstruksjonen skal skje. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti foreslår at brystrekonstruksjon må komme inn under prioritert helsehjelp i henhold til pasientrettighetsloven, videre at maksimal ventetid etter en medisinsk vurdering ikke må overskride ett år etter at bryst eller brystene er fjernet. Regjeringspartiene mener det ikke er hensiktsmessig med en egen tidsfrist, og det er grunn til å spørre: ikke hensiktsmessig for hvem? Det er det i alle fall for kvinnene. De ønsker å få nytt bryst innen ett år, de vil vite hva de skal forholde seg til og ikke vente opp til sju–åtte år! Regjeringspartiene viser til arbeidsgruppen i Helsedirektoratet som skal utarbeide de nasjonale retningslinjene, som skal ferdigstilles 23. mars.

av kvinner som venter på nytt bryst. Rettighetene kan vi gi kvinnene nå. Å bygge opp nødvendig kompetanse og kapasitet i det offentlige vil ta lang tid. De lange køene kan vi ta unna nå hvis det er politisk vilje hos regjeringspartiene og helseministeren. Men de skyver det over til helseforetakene. Vi må nå gjøre noe med det vi kan – gi rettigheter og få unna køene, parallelt med at vi bygger ut det offentlige tilbudet. Erfaringer viser at når pasientene får en rettighet, blir det fortgang i utbyggingen – ellers går det tregt! Kreftforeningen har i brev til helse- og omsorgsministeren vist til at det er ledig kapasitet og stor vilje hos private klinikker som utfører ulike former for brystrekonstruksjon, og de vil bidra til en skikkelig dugnad for å få redusert ventetiden og ventelistene. Men selvsagt er de avhengige av at de regionale helseforetakene inngår operasjoner. Brystkreftopererte kvinner har ventet lenge nok nå. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fremmer derfor forslag om å be regjeringen sørge for at det inngås nødvendige avtaler med private klinikker, og at det redegjøres for dette i forbindelse med revidert budsjett i 2012. Men regjeringspartiene vil ikke støtte dette forslaget. De sier at de ikke legger noen begrensinger på bruk av private aktører, og at dette er opp til det enkelte helseforetak. Men vi vet hvordan det fungerer i praksis. Køene og ventelistene øker år for år. Flere tusen stå i kø, de blir ikke prioritert, og de viser til manglende tilbud i det offentlige. Det er mange kvinner fra hele landet på galleriet og utenfor Stortinget i dag. Det de har felles, er at de er operert for brystkreft, de mangler et bryst eller to, og de har stått lenge på venteliste for brystrekonstruksjon. Hvor mye lenger må de vente? Det er ikke for Hvor mye lenger må de vente? Det er ikke for sent for regjeringspartiene å snu, det er heller ingen skam å snu og støtte forslagene fra opposisjonen. Avslutningsvis tar jeg opp de forslagene som er fremmet i innstillingen Representanten Sonja Irene Sjøli har tatt opp de forslagene hun refererte til. Først til en feil som har skjedd ved en inkurie på side 3, der datoen for arbeidsgruppens tidsfrist er

nå, høres det som om det er to fronter, at opposisjonen ønsker rekonstruksjon av bryst, og at vi rød-grønne er imot nye bryster til kreftrammede. Det er helt feil. Vi vil, som opposisjonen, at alle som trenger det, og som kan få det, skal ha det. Det aller viktigste for oss er at folk skal bli friske, så kommer livet etter som bør være best mulig raskest mulig. Det å fjerne et bryst er en stor belastning som fører med seg mange tilleggsproblemer, som representanten Sjøli var inne på. Det å få rekonstruert et bryst er viktig og en del av det å føle seg frisk etter kreftsykdommen. Ikke minst øker livskvaliteten. Arbeiderpartiet er enig i at ventetiden for å få rekonstruksjon er

Men der en skal rekonstruere fra eget vev, er ventetiden altfor lang. Det er fint at det nå gis føringer fra helseministeren for at rekonstruksjon skal være en del av behandlingen, og jeg vil understreke det som står i innstillingen, at rekonstruksjon av bryst må ligge i behandlingsprogrammet og inngå i retningslinjer og veiledere på feltet. Når Arbeiderpartiet ikke går inn for forslaget om en ventetidsgaranti på ett år, er det flere grunner til det.

som er like viktig for dem dét gjelder. Derfor må vi vite hva vi gjør, uten kun å komme med anslag, og bare håpe det skal gå bra. Vi må også her lytte til de faglige og gode rådene. Arbeiderpartiet deler Legeforeningens bekymring for manglende kapasitet når det gjelder plastikkirurger, og mener det er viktig å øke både kapasiteten og kompetansen i det offentlige helsevesenet. Legeforeningen var også i høringen opptatt av

Det ville vært veldig fint om også opposisjonen kunne vente de dagene som er igjen, til arbeidsgruppen legger fram sitt arbeid før vi dro konklusjonen. Kanskje et oversendelsesforslag vil være en mulighet som opposisjonen kan vurdere – for å legge det som føringer inn i arbeidet framover. For vi er opptatt av det samme: raskere brystrekonstruksjon til dem som trenger det. Når vi ser hva arbeidsgruppen kommer fram til i sitt arbeid,

Ventetiden på rekonstruksjon av bryst er altfor lang, det har debatten den siste tiden vist at vi alle er enige om, men veien videre er det vanskelig å bli enig om. Den ene måten å gjøre dette på er å vente, prate og håpe at ting blir bedre. Dette er regjeringens svar. Den andre måten er å sette klare mål, stille krav og komme med tiltak. Dette er opposisjonens svar. Betydningen av nytt bryst – og uavhengig av alder forsto jeg selv for få år tilbake. En partikollega tidlig i 50-årene måtte fjerne ett av sine bryst. Selve kreftbehandlingen var lang, tung og vanskelig, noe som førte til at hun generelt alltid så pjuskete ut. Hun kom seg liksom aldri til hektene igjen. Så en dag traff jeg henne igjen, etter en lang periode uten å ha sett henne, og hun så strålende ut. frisyre, ny klesstil, hull i ørene og flott sminket! Jeg har fått ny pupp, sa hun strålende og ville at jeg skulle se på den. Nå er ikke jeg helt vant med å bli tilbudt å se på kvinnebryst, så jeg ble en smule forskrekket og takket høflig nei. Men du burde se på den, sa hun, den er så vakker, den er et mirakel. Så fortalte hun om hvordan de hadde bygget opp et helt nytt bryst og tatovert en brystvorte, og hvordan dette hadde forandret hele hennes liv. For meg var dette et utrolig møte, som lærte meg hvor viktig denne saken er, og ikke minst at en eventuell diskusjon om aldersgrense ikke er akseptabel. Etter at saken ble fremmet i denne sal, har det vokst fram et enormt engasjement. Facebook-siden «Vi venter fandenmeg ikke på ny pupp etter kreft» har nå rundt 19 000 medlemmer. Både brystkreftopererte og ikke-brystkreftopererte, både kvinner og menn har engasjert seg og løftet seg i protest. Men har det hjulpet? Når opposisjonen i sine merknader understreker at brystrekonstruksjon skal være en rettighet på linje med andre behandlingstiltak ved brystkreft, støtter ikke regjeringen dette. Når opposisjonen sier at brystrekonstruksjon må komme innunder prioritert helsehjelp, støtter heller ikke regjeringspartiene dette. En samlet komité står bak merknaden om at det er uakseptabelt lang ventetid, og at det vil være umulig å oppnå målsettingen om reduserte køer uten at det offentlige samarbeider med private klinikker. Men verdien av denne fellesmerknaden blir helt borte når regjeringspartiene ikke vil være med på en merknad der opposisjonen ber regjeringen sørge for Så i realiteten gir ikke regjeringspartiene noen ting i denne saken. I flere debatter den siste tiden har særlig Arbeiderpartiet forsøkt å late som om de stemmer for dette forslaget i dag. Helga Pedersen har flere ganger sagt at de egentlig ikke stemmer imot. De skal bare vente på resultatet til et utvalg. Hver eneste sak regjeringen blir møtt med, blir besvart med et utvalg, så dette er for så vidt ikke noe nytt. Men Helga Pedersen har framstilt det som om det vil komme en tidsfrist når utvalget har lagt fram sin rapport. Da tør jeg minne Arbeiderpartiet og Helga Pedersen på helseministerens svar av 11. januar. Der skriver helseministeren følgende: «Det er etter min vurdering ikke hensiktsmessig med en egen tidsfrist for kirurgisk Vi får altså ulike signaler fra helseministeren, regjeringen, Arbeiderpartiet og enkeltrepresentanter. Det eneste vi vet sikkert, er at en samlet komité vet at det finnes ledig kapasitet til å innfri forslaget slik det ligger fra opposisjonen, men regjeringspartiene vil vente på utvalget. Hva venter de egentlig på? Jeg lurer ikke på noen ting, og det gjør strengt tatt ingen i helse- og omsorgskomiteen hvis vi leser hele saken som den ligger nå. En mann fra galleriet: Hvorfor diskuterer dere dette? Det er ikke anledning til bemerkninger fra galleriet. Jeg har

Så viser det seg ofte at når alle er enige om en sak, hender det at man møter det man kaller en myr av velvilje på likestillingsområdet. Alle er enige, men så skjer det ingenting. Jeg har bare lyst til å understreke at det er ikke det som kommer til å være tilfellet i denne saken. Her kommer ting til å skje. Så vil jeg gi honnør også til forslagsstillerne. Jeg syns at representanten før meg, Kari Kjønaas Kjos, hadde et veldig Jeg tror ikke det er vanskelig for oss som er kvinner, å se for oss hvordan vi sjøl ville ha reagert i en situasjon der vi opplevde at vårt ønske om å få et nytt bryst etter noe så dramatisk og alvorlig som en brystkreft er – potensielt livstruende – å møte det med en slags holdning om at dette er jo bare et luksusproblem, som også har vært nevnt tidligere her. Det er både uakseptabelt, det er dypt urettferdig, og man kan bli ganske slått i bakken også av å møte en sånn type holdning, for dette dreier seg ikke om luksusproblemer. Fra SVs side forventer vi at den arbeidsgruppa som nå jobber med dette og ganske riktig skal legge fram sin innstilling 23. mars, altså ganske snart, er offensiv i sin tenkning og i sine anbefalinger til oss. Vi ønsker ikke å legge noen slags form for begrensninger på den gruppa eller å signalisere fra denne salen at vi ikke ønsker endring som monner, og som virkelig endrer på livet til de menneskene som i dag er berørt. Så er det understreket på det sterkeste fra vår side. Det er tre ting som vi er opptatt av fra SVs side: for det første en rask avvikling av køene for dem som i dag venter på brystrekonstruksjon. Det er jo sjølsagt helt uakseptabelt at enkelte har ventet i årevis på å få et nytt bryst – eller to nye bryster – når det er så viktig for både livskvalitet, helse og sjølbilde. Fortsatt er det sånn at ventetida enkelte steder er på opp mot sju år. Det er helt uakseptabelt,

De som kan få det, er de som ikke skal ha cellegiftbehandling etterpå, hvor vevet ikke er skadet, og hvor man ikke har problemer med å få inn et sånt implantat. Det har ikke vært så vanlig å gjøre det i Norge, og det er noe av grunnen til at køene har økt så dramatisk. Så man må få gjort noe med det, og det å sørge for at det blir vanlig å gjøre det for dem som kan, blir viktig. Men da må vi også være klar over at vi må gå kritisk til verks når det gjelder hvilke sykehus som skal foreta brystkreftoperasjoner. Det var 60, i dag er det 20, og vi har da behov for å ha samlet kompetansen på de sykehusene som skal gjøre dette. Det krever flere typer kirurger bl.a., som det i dag er mangel på – kanskje fordi de er spredt til for mange sykehus. Den debatten må vi også tørre å ta. Så er det sånn at kvinnene skal ha et faglig godt tilbud, og de skal ha et forutsigbart tilbud uten lengre ventetid enn det som er faglig anbefalt av helsemessige grunner. Da forventer vi at arbeidsgruppa er tydelig på hva slags rettigheter og forpliktelser som skal ligge til grunn for når en slik rekonstruksjon skal gjennomføres. Vi har stor sympati for forslaget om å gi kvinnene rett til prioritert helsehjelp, nettopp fordi det er utrolig viktig å få et nytt bryst for veldig mange kvinner. Vi har hatt mange møter i denne saken, og der har det kommet fram opplysninger som var ganske overraskende bl.a. for meg. For eksempel er det en av ekspertene som sier at det bør gå minimum seks måneder. Kanskje er det optimalt å vente ett år etter avsluttet behandling, sier den ene eksperten, som virkelig er et fyrtårn på dette området. Vi får også klar beskjed om å være forsiktige med å bruke private som ikke har kompetansen, og sørge for å bruke den kompetansen som er i det offentlige, for der har vi også tverrfagligheten. Kvaliteten må stå i høysetet. Da er det viktig – og da tenker jeg – at da kan vi kanskje sørge for å ha et løft, en dugnad, og ha helgejobbing for å ta unna køene. Ja, det var litt på overtid. Det blir vel helgejobbingen også, antar presidenten. Først en takk til

helst mange ganger, og jeg var mest fokusert på at de skulle få vekk alle de syke cellene. Det var ikke før kvelden før jeg skulle opereres, at jeg tenkte nærmere på hvordan jeg ville komme til å se ut etterpå – ikke før dama fra Foreningen for brystkreftopererte kom og viste meg ulike proteser som kunne brukes i bh-en etterpå. Så var jeg veldig heldig og fikk beholde veldig mye av mitt bryst. Jeg ble også fortalt at jeg var heldig som ble satt opp til operasjon med en kirurg som også var

En operasjon der man rekonstruerer brystet med eget vev, f.eks. fra magen, er ingen liten operasjon. Da må vi ha gode kirurger. Operasjon av implantat er enklere, men krever også sitt. Jeg skal gi dere et eksempel på det. Jeg har snakket med min venninne og fått lov til å fortelle at hun i 2009 fikk beskjed om at hun hadde genfeilen BRCA. Det betyr at hun hadde men krever også sitt. Jeg skal gi dere et eksempel på det. Jeg har snakket med min venninne og fått lov til å fortelle at hun i 2009 fikk beskjed om at hun hadde genfeilen BRCA. Det betyr at hun hadde 95 pst. sjanse for å få brystkreft. Venninna mi fikk da tilbud om å fjerne begge bryst og rekonstruere nye for å slippe å gå og være redd for å få kreft. For å få nye bryst konstruert av eget vev måtte hun i så fall legge på seg. Det var ikke nok vev på magen til å rekonstruere to bryst. Hun vurderte det, og med det faktum at det var en dette for at huden skulle tilpasse seg. Jeg kjenner mange som har hatt brystkreft, og jeg mener sterkt at tilbudet om rekonstruksjon av bryst skal være en selvfølgelig del av rehabiliteringa etter brystkreftoperasjon, eller etter en forebyggende operasjon. Da må vi forsikre oss om at innholdet i garantien har kvalitet. Det må gjøres på best mulig måte for hver enkelt brystkreftrammede. Alle har sitt eget Og får vi til rekonstruksjon av bryst samtidig som en opereres for brystkreft, må det være veldig, veldig bra for dem som kan benytte seg av en slik operasjon. Ventetid for rekonstruksjon er forskjellig fra sykehus til sykehus, og det er ulik ventetid i forhold til hva slags rekonstruksjon du velger. Som det står i innstillinga, er det ventetid på flere år i Oslo for samme operasjon som du kan få innen et halvt år i Trondheim. Rekonstruksjon med eget vev har lengst ventetid. For meg er det viktig at vi får en garanti som virker likt for dem som bor i Nord-Norge, i Trøndelag, på Vestlandet eller i Oslo. Opposisjonen sier jo også sjøl i innstillinga: «Forutsetningen for at dette skal bli mulig, er at det offentlige tilbudet bygges opp og sikres over hele landet.» Nettopp! Det er et godt poeng. I tillegg må vi inkludere private klinikker i rekonstruksjonstilbudet, men skal garantien ha en reell verdi, må vi ha et tilbud som sikrer at vi får det beste både fra det private og fra det offentlige, og god samhandling mellom disse. Det er hevdet, bl.a. i en rekke reportasjer i media, og også her i dag, at det avgjøres i dag om kvinner får rett til rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjon. Jeg mener det er feil. Jeg vil høre hva arbeidsgruppa ledet av Helsedirektoratet i samarbeid med Foreningen for brystkreftopererte og Kreftforeningen sier i sitt framlegg som de har frist på til 23. mars. Jeg ber faktisk om respekt for det og at jeg ikke stemples som en som ikke vil unne kvinner rett til rekonstruksjon. Det De siste dagene har jeg og resten av Stortinget fått en rekke likelydende e-poster der vi blir oppfordret til ikke å la oss kue av partipisken, men stemme etter egen overbevisning. Det har jeg tenkt å gjøre. For sjøl om jeg har vært rammet av brystkreft sjøl, vil jeg stemme for å vedlegge forslaget protokollen. Jeg stemmer da ikke mot intensjonene i forslaget. Mitt anliggende er at jeg vil forsikre meg om at vi får en garanti garanti for alle kvinner, uansett hvor i landet de bor, uansett hva slags rekonstruksjon de vil
er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og utgjør om lag 23 pst. av alle krefttilfeller hos kvinner. Nærmere 36 000 kvinner har eller har hatt brystkreft. I mange av krefttilfellene vil behandlingen av kreften innebære fjerning av brystet til kvinnen. I tillegg gjelder det for de kvinnene som fjerner brystene forebyggende på bakgrunn av genfeil, som disponerer for Slik retningslinjene har vært til nå, har ikke brystrekonstruksjon vært en del av selve behandlingen av kreftsykdommen. Etter endt behandling har derfor kvinner som har mistet brystet, måttet stille seg i en ny kø – en kø som kan vare i opptil ti år. Kvinner som må vente i mange år før rekonstruksjon, gir helt klart uttrykk for at livskvaliteten er sterkt svekket. Statsråden sier i sin redegjørelse om saken at det ikke er hensiktsmessig med en egen tidsfrist for kirurgisk rekonstruksjon etter brystkreft. På den andre siden peker både Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte i sine høringssvar på at en tidsfrist i høyeste grad er nødvendig. Begge foreningene setter også ett år som en øvre grense for ventetiden. Å vente på rekonstruksjon er for de aller fleste, og og særlig de yngste, en stor psykisk påkjenning. I tillegg til engstelse og depresjon kan pasienten ofte føle seg mindre kvinnelig og attraktiv dersom kreftbehandlingen resulterer i fjerning av brystet. Brystrekonstruksjon etter brystkreft er for mange kvinner en viktig og nødvendig del av behandlingen og rehabiliteringen. En rekonstruksjon fjerner ikke frykten, men kan bidra til å styrke selvbildet ved at kroppssymmetrien gjenskapes. Mange sier at en rekonstruksjon er viktig for å bli helt ferdig med kreften. Foreningen for brystkreftopererte oppgir at de nesten daglig får henvendelser fra fortvilte kvinner med brystkreft som venter og venter. Kvinnene kan fortelle om en behandling som innebærer manglende informasjon, utsettelser og stor uforutsigbarhet. For å korte ned ventetiden for rekonstruksjon må særlig kompetansen og kapasiteten i det offentlige sikres og økes. Målet må være at norske plastikkirurger blir stadig dyktigere og mer erfarne, slik at kvinner med brystkreft kan tilbys en enda bedre behandling i gjenoppbyggingen av brystene. Derfor har opposisjonen fremmet en rekke forslag tidligere, forslag som kunne bidratt til å øke kapasiteten og bedre kompetansen i kreftbehandlingen generelt. Dessverre har responsen fra både helseministeren og I en interpellasjonsdebatt forrige uke, initiert av Bent Høie, kunne statsråden varsle at det ville komme en kreftstrategi. Det er bra. Det er naturlig at også rekonstruksjon blir omtalt i denne strategien, og at rekonstruksjon blir en del av tilbudet til brystkreftopererte også i Norge. Når hele komiteen, inkludert regjeringspartiene, sier i innstillingen at rekonstruksjon av bryst skal være en del av behandlingen,

snakket om at den ut fra det faglige kanskje må være det. Man kan kanskje vente med hvor lang fristen skal være. Hvis regjeringspartiene hadde gått med på at vi skulle ha en tidsfrist, kunne vi kanskje fått det vedlagt protokollen, men regjeringspartiene går så langt ikke inn for verken det første eller det andre forslaget. Det er jeg lei meg for. Jeg skulle ønske at vi her fant hverandre, hvis det er slik at man faktisk vil at rekonstruksjon skal være en del av behandlingen.

så mange har engasjert seg for å gi de mange norske kvinnene som opplever å få brystkreft, en stemme og et ansikt. Jeg er ikke fornøyd med at ventetiden for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft er så lang, og mitt mål er at ventetiden skal ned. Jeg vil likevel legge vekt på at vi har oppnådd viktige resultater innen behandling av brystkreft de seneste årene. OECD-tallene viser at Norge nå er best i Europa når det gjelder overlevelse. Tall for perioden 2005–2009 viser at fem års overlevelse for brystkreft er på en økning på nesten 5 pst. fra perioden før. De gode resultatene skyldes fremragende fagfolk og riktig prioritering av ressursene. Men vi kan – og vi skal – bli bedre, særlig når det gjelder oppfølging etter inngrepet. Det å få en brystkreftdiagnose er en dramatisk opplevelse. Behandlingstiden er hard og krevende. En ekstra belastning blir det når man må vente lenge på et nytt Det er ikke vanskelig å forstå at det å få et nytt bryst vil være en viktig del av det å føle seg frisk etter brystkreft. Faglige anslag viser at kirurgisk rekonstruksjon etter brystkreft kan være aktuelt for ca. 700 kvinner i året. Det brukes ulike teknikker, noe man også har vært inne på i debatten. Det kan være rekonstruksjon med protese eller ved å bygge opp et nytt bryst med kvinnens eget vev. Ventetiden er lengst for avansert plastikkirurgi der man bruker kvinnens eget vev i rekonstruksjonen. Kvinner som har fått strålebehandling, må vente lenger, fordi huden må normaliseres etter behandlingen. Vi ønsker at kvinner skal få rekonstruksjon så raskt som mulig, men når det kan skje, og hvordan, må også være basert på faglige vurderinger Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har behandlet spørsmålet om rekonstruktiv kirurgi etter brystkreft. Rådet konkluderte med at vurdering for rekonstruksjon skal tilbys kvinner som en del av behandlingsforløpet ved brystkreft. Erkjennelsen av hvor viktig slik behandling er for mange kvinner, var Jeg har også vært tydelig på at rekonstruksjon skal inn som en del av behandlingsforløpet. Rådets konklusjon ligger til grunn for det nasjonale handlingsprogrammet for brystkreft som legges frem 23. mars. Kirurgisk rekonstruksjon av bryst blir en del av dette programmet. Pasientforeninger som representerer brystkreftopererte, deltar i arbeidsgruppen. Dette bidrar til et kunnskapsbasert og faglig grunnlag for å bygge opp et godt tilbud med god nok kapasitet til å gi rask nok behandling. De gode resultatene vi har sett på kreftområdet, inspirerer oss til å gå løs på områder der vi fortsatt har mye ugjort. Rekonstruktiv kirurgi etter brystkreft er et slikt område. Ventetidene må betydelig ned, og vi arbeider nå for at slik kirurgi blir en integrert del av behandlingsforløpet. Jeg vil følge opp rapporten om handlingsprogram for behandling av brystkreft. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2012 har jeg bedt om tiltak for å redusere ventetiden for denne pasientgruppen. De regionale helseforetakene har ansvar for å iverksette handlingsprogrammet, og jeg vil følge dette tett opp. Til slutt vil jeg gi ros til et stort tverrpolitisk engasjement for kvinnehelse generelt og for de brystkreftopererte spesielt. Dette lover godt for det videre arbeidet, der vi alle er enige om målet, nemlig å gi et bedre tilbud til denne pasientgruppen. Det blir

Så har Helsedirektoratet nedsatt en arbeidsgruppe, og det er ikke en hvilken som helst arbeidsgruppe. Det er faktisk en ganske bred faggruppe som består av ulike former for kompetanse – medisinskfaglig kompetanse som må til for at vi skal få et godt og forsvarlig opplegg for dette. De skal gi sitt råd den 23. mars. Jeg avventer det rådet. Men målet er helt klart: Ventetiden her skal ned.

I 2005 var det så å si ingen som sto i kø. Nå i 2012 går altså 4 000 kvinner og venter på rekonstruksjon. Det vil, som jeg sa, ta tid å bygge ut det offentlige, og mitt spørsmål er om statsråden vil bidra til at det nå blir en dugnad, slik som representanten Thorkildsen også var inne på, for å få ned ventelistene og ventetiden ved å instruere de regionale helseforetakene til å prioritere dette området og bruke den ledige private kapasiteten. De regionale helseforetakene har fått veldig tydelig beskjed i oppdragsdokumentet om at ventetiden skal ned, og at de må komme med tiltak for dette. Det kan godt være et aktuelt alternativ å bruke private aktører. Det kan godt være et alternativ å ha en dugnad. Men det viktigste er faktisk å bygge opp kapasiteten, slik at vi slipper å få en slik dugnad. Etter at man i 2003 hadde denne broen til Sverige og fikk unna køen, har køen bygget seg opp igjen. Det er ikke godt nok. Det er nettopp derfor vi må vurdere hvor mye kapasitet som skal bygges opp, hvilke rettigheter pasientene skal ha, hvordan dette skal inn i behandlingsforløpet, og hva som vil være det faglig forsvarlige i hvert enkelt tilfelle. Det rådet som denne arbeidsgruppen nå jobber med, kommer den 23. mars. Da skal vi følge opp. Da skal jeg også si hva vi vil gjøre. Jeg er veldig glad for at det er

Helsedirektoratets arbeidsgruppe nå kommer frem til – og det håper jeg – at de vil anbefale en type frist for dette, fordi det skal være en del av behandlingen og prioritert helsehjelp, vil da regjeringen og statsråden følge det rådet? Jeg har lyst til igjen å understreke at det er

Og det er jo nettopp det vi jobber med. Men vi må gjøre dette på en forsvarlig måte. Vi må gjøre dette på en måte som gjør at vi kan bygge opp kompetanse, så vi ikke kommer i den situasjon at man plutselig har en stor kø av pasienter som man ikke klarer å ta unna. Det er særdeles viktig, fordi vi ser at dette er så avgjørende og så viktig for så mange kvinner. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg har lyttet veldig nøye til regjeringspartienes representanter: mange fagre ord, mye gull og mye glitter, men ingen handling. Tidligere i dag avga 22. juli-komiteen her på Stortinget sin innstilling, hvor regjeringspartiene sammen med oss i opposisjonen har vedtatt 14 forslag. Da bet jeg meg merke i at arbeiderpartirepresentanten Bøhler sa: Vi må i fellesskap ta ansvar hvis vi vil at noe skal skje. – Ja, vi vil at noe skal skje. Det samme skjedde da Fremskrittspartiet hadde et Da klarte også regjeringspartiene, for første gang på seks år, å stemme for våre forslag. Og begrunnelsen: Det hastet med å få på plass voldsoffererstatningsordningen før rettssaken etter 22. juli. Hvorfor haster det ikke like mye nå? Ikke kom og fortell meg at vi her må avvente den faglige arbeidsgruppens konklusjon. Her er det ingenting nytt, bare en ytterligere trenering og forsinkelse. Dette er ansvarsfraskrivelse. Hvis nå regjeringspartiene i dette møtet stemmer ned forslagene, men arbeidsgruppen senere kommer til samme konklusjon, vil jeg spørre helseministeren om hun føler seg tilfreds med å ha ansvar for denne forsinkelsen. Vi snakker da om mulig behandling av en stortingsproposisjon om noen måneder – noen måneder for mye. Så vil jeg gjerne ha et svar fra helseministeren på hvordan det er mulig å argumentere for å stemme forslagene ned med en faglig begrunnelse som i mine øyne ikke holder mål, når vi vet at våre medsøstre i våre naboland har garanti for nytt bryst én måned etter at legen har gitt klarsignal. Hva er det de har forstått i Danmark og Sverige som ikke helseministeren har skjønt? Hvordan er det mulig at vi i et så rikt land som Norge har et så rikt land som Norge har rekonstruksjonskø? Hvordan er det mulig at helseministeren ikke har skjønt at det haster, at vi ikke har tid til å vente på vedtak, at vi ikke har tid til at enda flere kommer inn i en kø som er tung og kronglete, i tillegg til alle de andre utfordringene kreftpasientene har? Jeg oppfordrer helseministeren på det sterkeste til å tørre – på lik linje med justisministeren i

Eg har lyst til å rette merksemda mot det som er blitt omtalt som ein knappleiksfaktor for å få dette til slik vi ønskjer. Det står ikkje på pengar, men tilgang på kompetanse og på plastikkirurgar i det offentlege helsevesenet. Senterpartiet merkar seg og er glad for at ein samla komite seier at det krevst ei generell oppbygging av offentlege av offentlege plastikkirurgar. Men opposisjonen foreslår så at ein må inngå avtalar med private klinikkar for å redusera ventetida. Det spørsmålet som opposisjonen ikkje vil diskutera, er om det er greitt at det private helsestellet i dag arbeider med dei feile tinga, for det kan nemleg henda at vi har nok plastikkirurgar i Noreg, men at dei arbeider Det kan vi jo ikkje forby. Vi kan kjøpa tenester av helseforetaka, som vi heller ikkje legg nokre hindringar for, men dette viser problemet med at vi har ein privat helsemarknad som stel kompetansen frå det offentlege til fordel for oppgåver som det ligg meir forteneste i. Prinsipielt meiner eg at når samfunnet brukar store ressursar på å utdanna ein plastikkirurg, som vel tek ti–tolv år, bør ein òg sikra seg at yrket arbeider med dei rette tinga som samfunnet har behov for. Det viktigaste er å tilby medisinskfagleg helsehjelp til dei som treng det mest, og då må det offentlege sikrast nok spesialistar. Eg føreset at når regjeringa kjem tilbake med ei sak om dette, etter at denne gruppa har lagt fram sine anbefalingar, blir plastikkirurgar og rekruttering av dei ei sentral sak, for det er heilt avgjerande for at ein skal få korta ned ventetida for denne

som er friske, må gå kraftig ut og støtta våre medsystrer som ventar på eit nytt bryst. Over 700 kvinner står årleg, nærmast med lua i handa, og ber om det som manglar i deira behandlingsløp. Det er leitt. Dette er utruleg leitt for alle dei kvinnene, og det er eit svik frå styrande myndigheiter. Eg lurer på, for det høyrest faktisk slik ut, om den køen plutseleg har kome over

vera dei – og seier at slik vil dei faktisk ikkje ha det. Eg hadde forventa at medsystrene mine frå regjeringspartia også ville ha støtta oss for å få ei behandlingstid på dette. Men ikkje tale om! Dei skal venta på denne gruppa. Den 24. mars skjer det noko. Kan vi gi noko til dei som står og ventar, eller blir det berre ein, to, tre – punktum? Kva med alle dei som har stått og venta så lenge? Dei må vi gjera noko med. Det er kjempelang ventetid, og dei treng ventetid, og dei treng det dei har rett på, meiner vi i Framstegspartiet. Mine medsystrer, kvinnene i regjeringa – som eg trudde var medsystrer – korfor unner ikkje dei alle dei som ventar, å få tilbake livet sitt så snart som mogleg? Korfor skal dei venta vidare? Framstegspartiet meiner at dei er blitt utsette for nok lidingar, nok smerte, psykiske nedturar og ikkje minst ekstra kampar for å få noko dei faktisk automatisk burde ha rett på. Kva så, som eg sa, når desse planane ligg føre? Det vil ta tid å få unna køane, som regjeringa sjølv har laga. Her burde ein gå inn med friske midlar og kjøpt plassar, for vi har faktisk ledig kapasitet ved ulike klinikkar. Om dei er private eller offentlege – you name it – eller ligg kvar som helst i verda, så er det viktigaste at vi må ta unna køane. Kunne ein berre ha kome unna med det, hadde i alle fall eg satt pris på

jeg har en nagende følelse av at den køen ikke hadde vært like lang hvis dette hadde vært en typisk mannslidelse. Her er det mange gode plussfaktorer som spiller i riktig retning i debatten. Når det er et så samlet storting som gir uttrykk for at vi ønsker å gjøre noe med situasjonen, skulle man tro at tonen kunne ha vært noe annerledes. Jeg, f.eks., reagerer når jeg hører representanter fra Fremskrittspartiet rakker ned på denne arbeidsgruppen. Da har jeg i hvert fall lyst til å minne om at både Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte er en del av den gruppen. At man ikke kan vente de tre ukene for å høre hvilke råd de vil gi oss, er for meg litt spesielt. I tillegg er det en del andre dimensjoner som jeg mener saken fortjener at vi ser på, som vi per i dag ikke besitter god nok kunnskap om. Hvilke deler av denne køen er det som skal gis hvilke rettigheter i framtiden? Det er åpenbart for meg at disse 4 000 kvinnene vil få forskjellige behandlingsløp, ergo bør det også være forskjellige rettigheter. Forslaget tar ikke opp i seg noen av de dilemmaene. Da trenger vi det rådet som nå om tre uker skal legge fram sine anbefalinger, for å vite hvordan vi skal løse dem. Så jeg synes det er snodig debatt, i en sak hvor et samlet storting gir uttrykk for at dette skal vi få til, dette skal vi løse, og så skal vi plutselig ikke ta inn over oss faglige råd og hva som faktisk er mulig å få til med den kapasiteten og den kompetansen vi besitter i landet. Jeg vil spørre Høyre: Når ble kunnskap ikke viktig – dere som kaller dere kunnskapspartiet? Vi snakker igjen altså om tre uker før vi vet noe mer om saken. Jeg skulle ønske på vegne av disse kvinnene at vi kanskje tonet ned noe av den skarpeste retorikken i denne debatten og i hvert fall ikke på nytt gir dem falske forhåpninger, forhåpninger vi ikke kan innfri fordi vi ikke har kapasitet og kompetanse til det. Det fortjener sjøl om jeg forstår utålmodigheten deres, og jeg synes den er absolutt berettiget. Men jeg tror også de har krav på at Stortinget behandler dem seriøst og fatter beslutninger som er faglig godt kvalifisert, og ikke minst gjennomførbare i forhold til

som samler seg om å si at dette finner vi oss ikke i, sånn skal det ikke være, vi skal ha en annen situasjon, vi skal ha en verdig situasjon for disse kvinnene som blir operert. Så vil jeg bare understreke at når vi nå skal bygge opp en kapasitet for å sikre at det førende for behandlinga skal være primær rekonstruksjon, altså at dette skjer i samme prosess som du fjerner brystet, så vil det ta tid å få bygd opp kompetansen. Jeg har veldig stor forståelse for at de som i dag står i kø og venter, og som kanskje har ventet i flere år, ikke synes det er greit å vente til den kompetansen er på plass. Derfor er vi nødt til å diskutere hvordan vi kan sikre at de som i dag står i kø, kan få

Men her har jeg helt klart fått en anbefaling fra kirurger i det offentlige om at vi må passe på at kvaliteten må være god nok, at det er viktig å sikre tverrfagligheten, at det er et poeng at det er det offentlige som gjør det meste av dette, fordi de har tverrfagligheten og kvaliteten. De sa til og med at de har erfaring med kvinner som har fått rekonstruksjon, men så får spredning og tilbakefall, og fordi man ikke har kompetanse på det i det private, fordi plastikkirurgene som skulle gjøre disse rekonstruksjonene, ikke hadde erfaring i å sjekke om kvinnen er kreftfri, ender man opp med å gjøre disse kvinnene en bjørnetjeneste. Pass på det!

Det som mindretallet ber om i dag, er at Stortinget sier at den rettigheten som er knyttet til den loven, også skal gjelde rekonstruksjon av bryst etter brystkreft innen minimum ett år, men finnes det medisinske forhold som skulle tilsi at en bruker lengre tid, som representanten Inga Marte Thorkildsen tok opp, kan det begrunnes, og en kan da overskride den tidsfristen. Vanskeligere er det ikke. Når representanten Breen sier at Høyre som et kunnskapsparti, som er opptatt av å drive en kunnskapsbasert politikk, ikke har tid til å vente på arbeidsgruppen, baserer det seg på at vi mener at det er politikernes oppgave å sette målene for helsetjenesten, og så er det faggruppers og fagmiljøenes oppgave å finne ut hvordan en skal nå de politiske målene. Det er ingenting til hinder for at Stortinget i dag vedtar at målet er å ha et års garanti for disse kvinnene, og så har arbeidsgruppen et enda tydeligere mandat, også i tråd med det som er anbefalingen til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, nemlig at dette er en prioritert helsetjeneste. Det er ingen grunn til å vente på fagrådets anbefalinger før en setter den type klare politiske mål. Representanten Kjersti Toppe sier at de som jobber i privat virksomhet i dag, jobber med

som et samlet storting ønsker, nemlig rekonstruksjon av bryster for dem som er prioritert, i tråd med det offentlige helsevesenets prioriteringer og vurderinger. Den ledige kapasiteten kunne en i løpet av veldig kort tid dreid fra det som representanten Toppe kaller «dei feile tinga», til de riktige tingene, hvis Stortinget vil, og det kan Stortinget bestemme seg for i dag. Opposisjonen har i denne saken kontinuerlig vært opptatt av å finne løsninger. Derfor oppfattes det som ganske urettferdig når regjeringspartiene i dag nærmest prøver å fremstille det som om vi ikke er løsningsorientert. Hadde helseministeren i sitt innlegg i dag sagt at dette er regjeringens mål, kunne vi ha vært med på å oversende disse forslagene, men en bruker tiden på å argumentere imot istedenfor
Siv Jensen

for, er altså rettighetene sine: å få en fullverdig behandling i forbindelse med en brystkreftoperasjon. Det er det det handler om. Så mener jeg at det ikke er noen motsetning mellom de gode intensjonene som Inga Marte Thorkildsen tar til orde for, i forhold til at vi skal bygge opp fullverdig kapasitet i det offentlige helsevesenet og samtidig ta unna den køen som allerede er der. Veldig mange av de kvinnene som nå står og venter, har ventet lenge. De er utredet, de kjenner sykdomsbildet sitt, de vet utmerket godt hva de trenger, og de vet i tillegg at det finnes ledig kapasitet i det private helsevesenet. Jeg synes egentlig de rød-grønne politikerne avslører seg litt i merknadene i innstillingen. For de har altså følt det viktig å vise til et svar fra statsråden om at regjeringen ikke har lagt begrensninger på bruk av private aktører, men at det skal være opp til helseforetakene. Det har altså de rød-grønne funnet verdt å nevne eksplisitt i en egen merknad, nærmest som et motsvar til forslaget fra Fremskrittspartiet og de øvrige opposisjonspartiene om at man skal sørge for at det inngås avtaler. Realiteten er den at mens vi venter på at det skal bygges opp en fullverdig kapasitet i det offentlige helsevesenet, finnes det fullverdig kapasitet i det private. Det pågår operasjoner i dag i det private. i det private. Det dette i realiteten handler om, er vilje til å begynne å ta ned den køen med mange tusen kvinner som er ferdig utredet og rede til å gjennomgå operasjon. Det er det det handler om. Jeg tror vi hadde stått oss på som storting å vise evne til handlekraft i stedet for bare prat. Det er i hvert fall det veldig mange jeg har snakket med i denne saken, sier, at tiden for debatt er over. Nå venter man på handling, nå venter man på vedtak, nå venter man på tiltak. Det kan vi snakke om så lenge vi bare orker, men det skjer ingenting. Køene går ikke ned før vi faktisk fatter vedtak om at det skal skje. Det hadde kostet så utrolig lite å være med på å støtte disse forslagene, som hadde sendt noen klare signaler, gitt et nytt håp og samtidig bidratt til å få ned en kø som er aldeles uverdig. For meg handler dette også om at når menn gjennomgår en lignende operasjon, eller noe som føles like krevende, får man et fullverdig behandlingsløp, mens halvparten av befolkningen, altså kvinner, ikke får det. Det må det bli en slutt på. Jeg har bare noen kommentarer. Representanten Kari Kjønaas Kjos er

hvis vi sier ja til en ventetid i dag, om vi kaster blår i øynene på dem som nå står utenfor? Vet vi om vi klarer det? Det kan godt hende vi klarer det på kortere tid, men det kan vi også få svar på når arbeidsgruppen har lagt fram sin anbefaling. Er det ikke mer riktig å vite om det går? Jeg synes representanten Tingelstad Wøien hadde et veldig godt innlegg. Det handler om en garanti for at alle skal sikres lik behandling. Og det er nettopp det vi gjør ved at vi tar litt tid til hjelp, dvs. tre uker. Når representanten Reiertsen angriper oss jentene i de rød-grønne partiene og sier at vi ikke bryr oss og er litt ufine, må jeg bare protestere igjen: Vi vil ha nye bryst til dem som skal ha det, men det mangler jo bl.a. plastikkirurger – det har kommet fram i flere innlegg her fordi de brukes av kvinner til andre ting, til skjønnhetsoperasjoner, til unødvendige ting. De burde brukes til det som er nødvendig, nemlig nye bryst til de jentene som trenger det. Jeg synes det er en litt merkelig diskusjon. Vi har hørt opposisjonen si at de private har kapasitet, for det, sier de, kan vi lytte til, men de faglige rådene som arbeidsgruppen skal legge fram, bør vi ikke hefte oss så mye ved. De private klinikkene kan jo ikke være sannhetsvitner på at de skal rekke alt de ønsker innen ett år. Vi De private klinikkene kan jo ikke være sannhetsvitner på at de skal rekke alt de ønsker innen ett år. Vi hører på Legeforeningen, og de er bekymret for utviklingen når det gjelder kompetanse, utdanning og kapasitet. Det mener vi er viktig å se på videre. Representanten Høie sier at det handler om å sette politiske mål, men vi vil mer enn å sette politiske mål. Vi ønsker at disse jentene skal få Det må jo være gjennomførbart. Og igjen: Er det ikke gjennomførbart med ett år, og vi sier at det skal være det fra denne salen, er ikke det å lure noen? Det er i hvert fall det jeg mener. Vi vil vite om det lar seg gjennomføre. Derfor ønsker vi å vente på arbeidsgruppen. Jeg husker ikke bestandig veldig godt, men jeg husker i hvert fall at både representanten Bent Høie og representanten Siv Jensen i denne sal mange ganger har prøvd å grille politisk både helseminister og statsminister når regjeringen har stilt krav til forløpstider for kreft. Det ble automatisk gjort om i ordbruken – til en garanti fra opposisjonen. Man har gjentatte ganger, både i spørretime og i andre prøvd å ta regjeringen for at den ikke har klart å følge opp det som var et krav til systemene når det gjelder forløpstid. Nå sier representanten Høie at politikerne skal sette seg mål. Her er det altså en eksplisitt garanti på et år, og så får man jobbe mot det. Jeg må nesten spørre representanten Høie: Hvis man ikke når det målet, er den garantien da mindre verd fordi Stortinget har vedtatt den, enn den er når regjeringen har vedtatt den? Kan det være sånn at også denne pasientgruppen vil føle seg politisk forrådt hvis man ikke klarer å innfri det som er en garanti? Denne typen spørsmål mener jeg er såpass avgjørende at de tre ukene jeg venter for å få bedre oversikt fra det faglige rådet, er viktig nok i seg selv til å vente. Det andre lille poenget til debatten nå går på dette: Når representanten Jensen sier at jeg ikke snakket på vegne av dem der ute i demonstrasjonen, vil jeg igjen minne om at Når representanten Jensen sier at jeg ikke snakket på vegne av dem der ute i demonstrasjonen, vil jeg igjen minne om at både Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte er en del av arbeidsgruppen og gjennom arbeidet der gir signaler på vegne av sine landsdekkende organisasjoner om hva som skal være rådet. Jeg vet at mange der ute – på demonstrasjonen utenfor Stortinget nå – er medlemmer i de foreningene. Så at Stortinget ikke skal vente på det arbeidet, der de to foreningene er deltagere, for å lytte på hvilke råd de gir, er for meg også en litt underlig del av denne debatten. Til slutt: Jeg har tro på at vi skal få det til, for det er et voldsomt engasjement for å bygge ned køen. Alle partiene er enige om at situasjonen er uholdbar. Da synes jeg det er litt leit at det blir politiske spissfindigheter som står igjen etter dagen, når man i realiteten kommer til å ende opp – også fra opposisjonens side – med å ta en kikk på de rådene som kommer om tre uker, og vurdere ny politikk ut fra det. Vi snakker om tre uker her – at vi må kunne vente i tre uker. Jeg har bare lyst til å minne om at 6. desember 2010 kom Nasjonalt råd med anbefalingen om at behandlingsforløpet skulle inkludere rekonstruksjon. Så gikk 2010, 2011 kom, 19. oktober 2011 kom Fremskrittspartiet med sitt forslag, 2. desember 2011 – noen uker senere – kom Helse- og omsorgsdepartementets brev til Helsedirektoratet om denne gruppen som nå skal jobbe fram til 23. mars. Så problemstillingen er ikke akkurat ny, og det har tatt ganske lang tid før man kom i gang med arbeidsgruppen. Poenget mitt er at vi er utålmodige, alle sammen. Så til en annen sak: Det gjelder en del av de kvinnene som har stått utenfor her og markert at de ikke orker å vente lenger. Vi snakker kanskje ikke om dem som får brystkreft i dag, og som er under behandling. Men jeg vil tro at mange av de kvinnene har stått i kø noen av dem kanskje i opptil sju år – og ennå ikke fått behandling. Jeg har lyst til å minne om det vi gjorde her i Stortinget en gang tidligere: Vi laget en pasientbro i 2003. Den var meget effektiv, og vi har egentlig ikke snakket så mye om hva vi skal gjøre med alle dem som har ventet så lenge – om de på en eller annen måte omfattes av det arbeidet som nå pågår, og som skal være ferdig 23. mars. Kanskje man burde laget en egen handlingsplan, et eget opplegg for disse, uavhengig av hva man måtte komme frem til om fremtidens retningslinjer? Det er også et anliggende som vi kanskje skulle ha diskutert litt nærmere her i dag. Det er mulig å løse, og jeg håper at helseministeren kanskje kan si noe om dette – om det finnes en plan for det, og hvordan vi eventuelt kan bidra til at disse slipper å vente